Den fortjener derfor positiv oppmerksomhet og fokus på tiltak som kan bidra til at næringen sikres, utvikles og styrkes. Å sikre, utvikle og styrke reindriftsnæringen innebærer krevende utfordringer både for næringen og for myndighetene. I dette arbeidet er felles virkelighetsforståelse og samhandling mellom de ulike aktørene en avgjørende forutsetning.

Jeg regner med at de respektive partier går inn på hva de mener, så fra nå av vil jeg ta en gjennomgang av Fremskrittspartiets syn. Siste reindriftsår har reineierne klart å dokumentere rovviltskade på ca. 1 300 rein, men fått erstatning for om lag 20 000, og dette er en økning på ca. 50 pst. fra i fjor. Av dette er omtrent halvparten dokumenterte gaupeskader. Anslagsvis 80 000 dyr har gått tapt av Av disse har reineierne søkt om erstatning for ca. 65 000 dyr. Det vil si at det forsvinner 219 rein hver dag, og at gaupa tar rundt 100 rein hver dag. Om ikke dette skal være nok, så må også norske skattebetalere betale rovdyrerstatning i hundretusenkronersklassen til svenske reineiere. Jeg spurte mine kollegaer i Nordisk Råd om de var villige til å betale erstatning til norske samer på svensk jord. Svaret var da at de ikke var naive, og at de ikke hadde tilgang til de norske

Kalvetilgangen i driftsenheten er et viktig utgangspunkt for fylkesmannens utmåling av erstatning for sannsynliggjort tap av kalv, jf. § 8 i erstatningsforskriften. Fylkesmannen finner det vanskelig å forstå hvordan antall fødte kalver kan være høyere enn antall simler i flokken. Jeg kan ta et par tilfeldige eksempler: En reineier har søkt om erstatning for 682 dyr, og fått erstattet 35. En annen har søkt om erstatning for 646 dyr, og har fått erstattet 18. Ingen av disse har klaget på vedtaket. Spørsmålet vi kan stille statsråden, er: Hvor sannsynlig er det da at dette representerer tap reineierne selv mener er reelle? Hvilken annen næring ville kunne gjort dette uten å bli gransket? Jeg er skuffet og ikke minst overrasket over at de andre partiene avviser dette, all den tid også reindriftsnæringen selv ønsker en gransking velkommen. I tillegg har også fylkesmannen ønsket et nytt Når det meldes inn tapstall som utgjør en tredjedel av reinsdyrbestanden i Norge, og krav om mer enn 39 mill. kr i erstatning, mener jeg det er grunnlag for å se om dette stemmer. Samtidig ser vi også at tapstall som blir avvist av fylkesmannen, ikke blir påklaget. Det synes jeg virker noe spesielt. Vi må få på plass effektive og rettferdige kontrollordninger. Et slikt forslag bør være å øremerke Hvert reinsdyr må ha et eget nummer. Bare på den måten kan vi kontrollere antallet og følge dem i næringskjeden. Vi er nødt til å starte en storstilt nedslakting av tamrein, spesielt på vestvidda, slik at antall tamrein kan komme ned på et slikt antall at vi kan ha en bærekraftig næring. Istedenfor å stå for en bærekraftig utvikling av reindriftsnæringen i Finnmark velger Stortinget og dagens regjering ikke å gjøre noe.

er slik at en næring som årlig mottar over 100 mill. kr i statlige subsidier og er blitt gitt eksklusive rettigheter, samtidig fungerer ekskluderende på all annen utvikling og etablering av næringsliv som har livets rett. Når skal regjeringen begynne å ta ansvar for sin mislykkede politikk? Så vil jeg fremme

til. Jeg takker saksordføreren for en ryddig jobb, selv om jeg skulle ønske at han i større grad hadde skrevet merknader som flertallet i komiteen kunne ha sluttet seg til. Nåvel, spøk til side. Det blir i hvert fall klare skillelinjer i reindriftspolitikken, og det kan jo være nyttig. Jeg merker meg at årets reindriftsavtale har den samme økonomiske rammen som fjorårets, og jeg har også registrert at lederen i NRL uttalte at avtalen har en ramme som er tilpasset behovet for å husholdere med budsjettmidlene. Det synes jeg er en konstruktiv tilnærming. Fremskrittspartiet vil også i år stemme imot avtalen. Det er ikke å undres over, det er samme holdning til saken som i fjor. fjor. Det må vel sies å være helt i tråd med saksordførerens holdning om frislipp, og at det er opp til enhver, ut fra egne forutsetninger, å ivareta sin tarv – uten avtaler, uten tollvern, nær sagt prisgitt skjebnen. Men jeg merker meg at saksordføreren ikke gjentar sitt utsagn om at bønder som får rein på innmarka, må utstyres med skytevåpen. Det er da positivt, synes jeg, og et bidrag til å holde debatten på et saklig nivå. Men jeg synes at Fremskrittspartiet representerer en trist holdning til reindriften. Reindrift er kanskje en liten næring i nasjonal målestokk – det må vel innrømmes – men spesielt i samiske samfunn i Finnmark, og i andre deler av landet, har den stor betydning både økonomisk, sysselsettingsmessig og kulturelt. Den er en viktig del av den samiske kulturen, og på dette området har vi også folkerettslige forpliktelser i forhold til det samiske folk. Næringen fortjener positiv oppmerksomhet, og vi må sette fokus på tiltak som kan bidra til at næringen kan utvikle seg på en god måte og sikres for framtiden, og ikke bare Vel, det har tatt for lang tid å få på plass en ny organisering av reindriften noen steder og etablere et dyretall som er tilpasset beitegrunnlaget. Man er kommet for kort i noen områder. Det forutsetter jeg at det tas tak i. Men det er også områder som fungerer godt, det må ikke underslås. Det er positive signaler når slaktevekten er dobbelt så høy i deler av Øst-Finnmark som i vest. Også Arbeiderpartiet er utålmodig og synes at implementeringen av den nye reindriftsloven tar lang tid. Det virker som dette er ekstremt krevende, og det er det. Det er et omstendelig arbeid. Mange må engasjeres, og det er ulikt hvor stort tempo det er mulig å få til på disse prosessene. Det kreves veiledningskompetanse og handlekraft i forvaltningen, og kvaliteten på dette arbeidet vil nok variere. Men det må ikke herske tvil om at den indre organiseringen av reindriften skal på plass, slik loven foreskriver. Flertallet har i sine merknader kommentert svært viktig arbeid som foregår både i Nordland og Nord- og Sør-Trøndelag, som er helt avgjørende for å håndtere rovviltproblemene og berge den sør-samiske kulturen. Det er dramatisk, men det er viktig å understreke at mange har engasjert seg i dette arbeidet i disse områdene. Det gjøres en oppofrende og helhjertet innsats. Det er noe det må bygges videre på, og det er også noe som andre distrikter kan ta lærdom av. Det skal man ikke blåse i nesen av. Reindriften er i en

er uoversiktlig, men på de fleste områdene ikke tilfredsstillende. Reindriften, som mange andre næringer, trenger økonomiske og organisatoriske muskler for å takle endringer. Verden snurrer fort, og tilpasninger er alltid nødvendig for å takle nye forhold. Disse musklene er næringen p.t. ikke i besittelse

Innslag i media og rapporter fra myndighetene viser ofte bilder av næringsutøvere i krise. En næring som burde ha muligheten til å fortelle de mest fantastiske historier om økologisk bærekraft, sliter med historier om nedbeitede arealer, utsultede rein, lovlig og ulovlig oppsatte reingjerder, gjerder som er falt sammen og rester etter gamle gjerder. De siste beskrivelsene er nok ikke i stort sannheten om næringen, men dessverre et inntrykk som altfor, altfor

For meg står det soleklart at dette er problemstillinger departementet må ta på alvor, og jeg ser ingen grunn til at man skal si seg fornøyd med tingenes tilstand. At man ikke på et halvt år er i stand til å si hvem som omfattes av plan- og bygningsloven, er rett og slett en skandale. Dette bygger opp om bildet av en forvaltning og en næring i utakt med omgivelsene. Den politiske ledelsen i departementet er her med på å forsterke problemene heller enn å løse dem. Kulturell bærekraft innebærer at det samiske skal prege er her med på å forsterke problemene heller enn å løse dem. Kulturell bærekraft innebærer at det samiske skal prege næringen. Dette kan ofte bli et tveegget sverd. En næring som er avhengig av strukturelle tiltak for å oppnå de økonomiske kravene som stilles, kan ikke samtidig plasseres i fortiden under dekke av å ivareta ansvaret for den kulturelle bærekraft. De uoversiktlige tilstandene når det gjelder antall rein og antall eiere, er eksempler på at kulturell bærekraft kan tvinge næringen i kne. Jeg er vel kjent med at det Det er mange utøvere og mange distrikt som produserer store kvanta reinkjøtt av førsteklasses kvalitet. Deres driftsform er bærekraftig hva gjelder både økonomi og økologi og å ivareta den samiske kulturen. Bildet er derfor ikke helt sort. Samtidig er det viktig å peke på at også disse utøvernes næringsvirksomhet lider når hverdagen preges av konflikt og negativ omtale. Det er på denne bakgrunn Høyre sammen med Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti fremmer forslag om en egen stortingsmelding om Posisjonen sier seg fornøyd med at dette skal behandles i en varslet landbruksmelding. Det er etter vår mening ikke tilstrekkelig. Reindriften er for Norge en så viktig næring at den ikke fortjener å drukne i en landbruksmelding. Vår begrunnelse for å justere periodiseringen av avtalen til å følge kalenderåret følger samme mal som i forrige sak, om jordbruksoppgjøret, og den redegjør jeg ikke nærmere for nå. SV er oppteken av at reindriftsnæringa skal vere berekraftig både kulturelt, økonomisk og økologisk. Reindriftspolitikken i Noreg byggjer på to

For at reindriftsnæringa skal vere berekraftig i samisk kultur, er det viktig at ho blir oppfatta og forvalta som ei næring med økonomisk verdiskaping. Ei næring som ikkje har fokus på økonomisk verdiskaping, blir ofte eit utstillingsvindauge og ikkje ein reell basis for ei normal utvikling av kultur og næring. Derfor er det viktig at reindriftsnæringa har stabile og langsiktige rammevilkår på lik linje med andre delar av landbruksnæringa. Reindriftsavtalen og reindriftslova er dei sentrale elementa i forvaltinga av reindrifta. Reindriftsnæringa er ei viktig og tradisjonsrik næring, og ho er svært arealkrevjande. Derfor kan det lett oppstå former for arealkonflikt i forholdet mellom reindriftsnæringa og andre næringar. I delar av Finnmark er det framleis eit stort beitetrykk i forhold til ressursgrunnlaget. Det er viktig å følgje opp reindriftslova frå og få på plass eit godt forvaltningsregime som kan redusere konfliktnivået kring arealbruken. Den største utfordringa i reindriftsnæringa på lang sikt er altså tilgang på areal. Det er viktig med godt samarbeid mellom kommunar og mellom kommunar og regional forvaltning. På den måten kan ein få ein meir heilskapleg forvaltning og kan leggje grunnlaget for eit mindre konfliktnivå. I ein del område opplever næringa sviktande lønsemd. Derfor er det viktig å fokusere på tiltak som kan sikre ressursmessig og økonomisk berekraft i næringa. Reindriftsavtalen legg derfor vekt på tiltak som stimulerer til auka slakteuttak og auka verdiskaping, og det er det som må til for at vi skal få ei heilskapleg, berekraftig næring. Ei økonomisk berekraftig næring kan også vere ein betre kulturberar i det viktige perspektivet. Den landbruksmeldinga som Den landbruksmeldinga som no er i arbeid, vil også omfatte reindriftsnæringa. Det vil gi oss ei anledning til grundigare drøfting av dei utfordringane næringa står overfor, og vi ser fram til at den kjem til å få ein sentral plass i den varsla meldinga. Det er viktig å sikre og utvikle reindriftsnæringa, som er ei unik næring i internasjonal samanheng. Den er, som fleire har vore inne på, kanskje ikkje den heilt store næringa i forhold til andre næringar i Noreg, men Noreg har eit heilt unikt ansvar for å ta vare på denne næringa, som internasjonalt har eit unikt preg, og som også betyr mykje for rettane til samane, som er ein viktig del av vårt samfunn og vår kultur. Reindriften som næring, kultur og livsform er unik og fortjener positiv oppmerksomhet. Det er derfor viktig at tiltakene i

Senterpartiet viser i denne sammenheng til de mål som er satt av Stortinget om at reindriften skal være bærekraftig både i økologisk, økonomisk og kulturell forstand. Å sikre, utvikle og styrke reindriftsnæringen innebærer krevende utfordringer både for næringen og for myndighetene. I dette arbeidet er felles virkelighetsforståelse og samhandling mellom de ulike aktørene en avgjørende forutsetning. Gjennom den nye avtalen forsterkes tiltakene som sikter mot en mer optimal produksjon og bedre tilpasning av reintallet i forhold til ressursgrunnlaget. Ett viktig tiltak er at tilskuddet til slakting av reinkalv økes vesentlig. Markedssituasjonen for reinkjøtt har blitt vanskelig i løpet av det siste året. Avtalen legger derfor stor vekt på tiltak som kan bidra til å bedre gjennomføringen av slaktingen gjennom sesongen og til økt salg. Dette mener vi i Senterpartiet er viktig for å legge til rette for videre utvikling av reindriftsnæringen. Etter lange og grundige overveielser la den nye reindriftsloven hovedansvaret for den indre organiseringen i reindriften på reineierne selv, noe som skulle føre til ansvarliggjøring og en indre justis når det gjelder øvre reintall og en bærekraftig drift. Senterpartiet er bekymret over at det per 1. april 2010 fortsatt er 17 pst. av distriktene som ikke har levert bruksregler til godkjenning. Det er også stor variasjon i kvalitet på de bruksreglene som er levert. Senterpartiet vil derfor understreke viktigheten av at regjeringen har en tett oppfølging av de distriktene som ennå ikke har levert bruksregler, samt de distriktene som har levert, men hvor kvaliteten på bruksreglene ikke er tilfredsstillende. Rovdyr er et annet område som har stor betydning for reindriftsnæringen. I dag er problemet med rovdyr så omfattende at det i noen områder er uforsvarlig for næringen. Selv om det er satt inn mange tiltak, er det behov for å gjøre mer. Et sentralt tiltak vil være å få redusert bestandene til fastsatte bestandsmål. For å redusere konfliktnivået mellom reindrift og rovvilt vil det også være av avgjørende betydning at man får en rask oppfølging av forslagene fra arbeidsgruppen ledet av fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Det er også svært viktig at rovdyrpolitikken blir gjennomgått i samsvar med Soria Moria II, slik som regjeringspartiene har understreket i merknadene til denne saken. Reindriftens utfordringer er mange og sammensatte, og i deler av Finnmark er det fortsatt manglende sammenfall mellom beitetrykk og ressursgrunnlag. En samlet komité viser videre til at det er strid om lovfortolkinger, slik at mange opplever at rein beiter på arealer som skal være fredet fra reinbeite. I tillegg er det uklarheter om fortolkning av reindriftslov kontra plan- og bygningslov i tilknytning til reindriften. Dette er omtalt i merknadene til saken. Det viktig at regjeringen arbeider videre med dette, og fra Senterpartiets side mener vi det vil være av sentral betydning å få avklart slike forhold så snart det er mulig. Reindriftspolitikk er Reindriftspolitikk er en avveining mellom tre områder: dyrehelse, næringsgrunnlag og økologisk bærekraft. Det er utfordringer med reindriften på alle disse tre områdene. Kristelig Folkeparti mener reindriften kan gi god utnyttelse av ressurser i marginale fjell- og utmarksområder og er en sentral bærer av samisk kultur. må innrettes slik at næringen blir bærekraftig både i økologisk, økonomisk og kulturell forstand. Vi har registrert at partene kom til enighet om ny avtale for kommende periode med en ramme på 101 mill. kr. Dette er tilsvarende bevilgning som for inneværende avtale etter vedtatt

Det er nesten 20 år siden Stortinget behandlet en egen stortingsmelding om reindrift, St.meld. nr. 28 for 1991–1992. Kristelig Folkeparti mener at det må utarbeides en ny reindriftsmelding på bakgrunn av de store endringene som har skjedd i reindriften i denne perioden. Dette gjelder på det økologiske plan med arealinngrep, tap av beiteland, rovdyrtap og klimaendringer, på det rettslige plan med økt fokus på sedvanerett, ny reindriftslov og ny reinbeitekonvensjon, og på det økonomiske plan med omlegging av tilskudds- og erstatningsordninger. I tillegg har reindriftsnæringen, særlig i Finnmark, utfordringer knyttet til produksjonsvariasjoner, lave slaktevekter, svært høye rapporterte rovdyrtap og lav produktivitet. Vi trenger altså en helhetlig gjennomgang av næringen og fremmer derfor forslag sammen med Høyre og Fremskrittspartiet om en egen stortingsmelding. Våren 2007 ble det vedtatt en ny reindriftslov i Stortinget. Loven var resultat av en lang og grundig prosess, og de nye reglene er en nyvinning både for reindriften og for samfunnet. Den nye reindriftsloven legger på en helt annen måte enn tidligere til rette for internt selvstyre i reindriften, samtidig som det gir myndighetene mulighet til å ivareta sitt overordnede ansvar for at reindriften er bærekraftig. har en viktig rolle i arbeidet med oppfølging av ny reindriftslov og skal utarbeide bruksregler for ressursforvaltningen. Kristelig Folkeparti er derfor bekymret over at det per 1. april 2010 fortsatt er 17 pst. av distriktene som ikke har levert bruksregler til godkjenning, og viser til at det også er stor variasjon i kvaliteten på Vi forutsetter derfor at regjeringen har en tett oppfølging av de distriktene som ennå ikke har levert bruksregler, og de distriktene som har levert, men hvor kvaliteten på bruksreglene ikke er tilfredsstillende. Det ble også etablert nye virkemidler som kan settes inn når et for høyt reintall skal reduseres. De virkemidlene trenger vi nå. Situasjonen for lavbeitene på Finnmarksvidda er langt fra god nok. Gjennom avtalen gis det en kraftigere stimulans til alle reineiere i Vest-Finnmark for å redusere og tilpasse reintallet ved at de tidligere ordningene med kalveslaktetilskudd og tidligslaktetilskudd er erstattet av et nytt tilskudd hvor reineierne må oppfylle et fastsatt

Reindriften som næring, kultur og livsform er på mange måter unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Den fortjener derfor positiv oppmerksomhet og fokus på tiltak som kan bidra til at næringen sikres, utvikles og styrkes. Å sikre, utvikle og styrke reindriftsnæringen innebærer krevende utfordringer både for næringen og for myndighetene. I dette arbeidet er felles virkelighetsforståelse og samhandling mellom de ulike Jeg er svært fornøyd med at vi også i år kom fram til en god reindriftsavtale. Etter min vurdering bidrar den nye avtalen til å ta noen nye, viktige skritt mot en mer bærekraftig reindrift, der utøverne selv tar et større ansvar for utviklingen av egen næring og en markedsrettet produksjon. Avtalen innebærer økonomiske tiltak i reindriftsnæringen på i alt 101 mill. kr. Det er tilsvarende bevilgning som for inneværende avtale. Gjennom den nye avtalen forsterkes tiltakene som sikter mot en mer optimal produksjon og bedre tilpasning av reintallet i forhold til ressursgrunnlaget. Ett viktig tiltak er at tilskuddet til slakting av reinkalv økes vesentlig. For å bidra målrettet til likestillingsarbeidet i reindriften er partene videre enige om en klar økning i ektefelletilskuddet. Markedssituasjonen for reinkjøtt har Avtalen legger derfor stor vekt på tiltak som kan bidra til å bedre gjennomføringen av slaktingen gjennom sesongen og til økt salg. Samlet sett bekrefter den reindriftsavtalen som nå er framforhandlet, den dreining man har hatt i de senere årene, og som innebærer et sterkere næringsmessig fokus og en tilrettelegging for de Jeg er derfor glad for at komitéflertallet slutter seg til reindriftsavtalens profil, slik at avtalen fortsatt kan nyttes som et aktivt verktøy for stimulering til økt slakting og økt produktivitet. Reindriften skal bevares som et viktig grunnlag for samisk kultur og samfunnsliv, og utfordringene er i den sammenheng mange og sammensatte. Jeg skal nevne noen av disse. Per i dag er det, som flere nevner, om lag 15 pst. av reinbeitedistriktene som ennå ikke har levert bruksregler. Dersom distriktene ikke er villige til eller i stand til, innenfor fastsatte frister, å utarbeide bruksregler, skal områdestyret gjøre dette. Det er en omfattende prosess som nå er i gang både i reindriften og i forvaltningen. Jeg er glad for å kunne meddele at de første bruksreglene ble stadfestet av Reindriftsstyret sist uke. De øvrige bruksreglene som er innlevert, forutsettes behandlet av styringsorganene i løpet av I media har det vært mye oppmerksomhet omkring konfliktene med rein innenfor fredet område i Alta. Jeg har fulgt utviklingen i området tett. Gjennom både reindriftsavtalen og jordbruksavtalen har vi lagt til rette for en videreføring av ordningen med konfliktforebyggende tiltak. Denne ordningen gir grunneiere og reindriftsutøvere i fellesskap mulighet for å få finansiert inngjerding av innmark samt tilskudd for I den forbindelse ser jeg det som positivt at reindriften ved Norske Reindriftsamers Landsforbund har tatt initiativ, og har tatt kontakt med Norges Bondelag for å legge til rette for en bedre dialog mellom de aktive næringsutøverne i området. I dag er rovdyrtrykket i noen områder så høyt at reindrift er uforsvarlig både ut fra økonomiske og dyreetiske betraktninger. Dette gjelder ikke minst for reindriftsområdene i sør. Selv om det er satt inn mange tiltak, er det behov for å gjøre mer. Et sentralt tiltak vil være å få redusert bestanden til fastsatte bestandsmål. For å redusere konfliktnivået mellom reindrift og rovvilt vil det også være av avgjørende betydning at man får en rask oppfølging av forslagene fra arbeidsgruppen ledet av fylkesmannen i

I tillegg registreres det en holdningsendring, og da særlig blant de yngre reindriftsutøverne. Istedenfor store reinflokker er oppmerksomheten nå rettet mot produksjon og inntjening. Dette er positivt. Godkjente bruksregler vil utgjøre fundamentet i ressursforvaltningen framover og være en forutsetning for at en rekke av lovens bestemmelser skal komme til anvendelse. Av den grunn vil jeg også framover prioritere og ha stor oppmerksomhet omkring dette arbeidet.
Det blir replikkordskifte. Komiteens medlemmer viser til Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Kåre Simensen, som under behandlingen av en interpellasjon den 11. mars 2010 uttalte: jeg også framover prioritere og ha stor oppmerksomhet omkring dette arbeidet. Det blir replikkordskifte. Komiteens medlemmer viser til Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Kåre Simensen, som under behandlingen av en interpellasjon den 11. mars 2010 uttalte: «Jeg tror denne debatten om reintallet i Finnmark er svært viktig, fordi det også er en omforent enighet om at reintallet i deler av fylket er for høyt. Ifølge den nye reindriftsloven fra 2007 skal reintallet fastsettes slik at det skal være bærekraftig både økologisk, økonomisk og kulturelt. Der er vi ikke i dag, og vi har en Mitt spørsmål til statsråden blir: Når man er med på en merknad der man stiller seg kritisk, hvorfor er man ikke kritisk til innstillingen? Hvorfor står ikke merknaden i stil til resten av
Jeg tror det er uriktig av meg å kommentere hvorfor enkelte representanter ikke følger flertallet eller eventuelt mindretallet i en innstilling. Det må de enkelte representanter selv stå for. Med hensyn til spørsmålet om reintallet, har jeg lyst til å understreke at det i noen områder er en bra balanse mellom bærekraftig reintall og ressursgrunnlaget, i andre områder, særlig i vest, er det reintall og ressursgrunnlaget, i andre områder, særlig i vest, er det for høyt reintall. Det er samenes og reindriftsutøvernes eget ansvar å følge opp det nye lovverket, det nye regelverket, gjennom å etablere bruksregler. Som sagt har vi kommet et stykke på vei. Det står igjen ca. 15 pst. av distriktene som ikke har levert. Jeg forutsetter jo, som jeg sa innledningsvis i innlegget mitt, at reindriftsforvaltningen, områdestyrene, nå tar tak i det, slik at mitt, at reindriftsforvaltningen, områdestyrene, nå tar tak i det, slik at vi får på plass bruksregler, og på det viset også får et arbeid mot en bærekraftig reindrift i alle områder i Finnmark.

Nå kan vi i dagens Altaposten igjen lese om konflikter mellom reineiere og innbyggere i det kommer rein inn der man mener det ikke skal være rein. Og svarene er akkurat de samme i forhold til at det er problematisk å finne ut hvem som eier reinen og å få varslet noen. Er statsråden fornøyd med situasjonen i Vest-Finnmark etter at han har engasjert seg og fulgt saken nøye over lang tid? Det er riktig at jeg har engasjert meg og har hatt flere møter i

la meg bare understreke det – at jeg, da jeg kom tilbake tidlig i vår, så at det var brudd på fredningsbestemmelsene ved at det var rein i Gargia-området. Jeg så det selv. Jeg har understreket det på nytt overfor de som representerer utøverne. Jeg har understreket det overfor forvaltningen, og jeg forventer selvsagt at det blir fulgt opp og tatt tak i. Det er helt uakseptabelt at man ikke greier å følge det som er norske lover og regler, og det er en ambisjon for meg å bidra til, gjennom både det arbeidet jeg gjør i departementet, og gjennom det arbeidet som forvaltningen gjør, at vi unngår slike ting framover. Det kan synes som antallet tapte rein som skyldes rovdyr, er

Det er et ansvar som forvaltes av Miljøverndepartementet, og jeg må overlate til Miljøverndepartementet å svare på spørsmål som i detalj går inn på de problemstillingene. Det meldes om at det er tap på 80 000 rein hvert år,

ministeren her og nå hva han mener. Mener statsråden at disse tallene er realistiske? Når det er søkt om erstatning med basis i et visst nivå på reintallet, har jeg ikke noe grunnlag for å sette spørsmålstegn ved det, for jeg har dessverre ikke vært inne i behandlingen av det. Det jeg er opptatt av, er at

Merkene skal også tilfredsstille kravene i dyrevelferdslovens bestemmelser. Reindriftsforvaltningen bruker betydelige ressurser på offentlig kontrollerte reintellinger, og reintellingene gjennomføres i henhold til forskrift om offentlig kontroll av telling av rein, fastsatt i Landbruks- og matdepartementet den 22. juni i 2009. Resultatet av reintellingene og matdepartementet den 22. juni i 2009. Resultatet av reintellingene og organiseringen av reintellingen som gjennomføres, er etter departementets syn slik at det oppnås stor grad av nøyaktighet for flokkene som telles. Så svaret er at vi har en god ordning i dag. Replikkordskiftet er omme. De talerne som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.

rovviltsituasjonen er for sørsamene i Norge? Hvis Stortinget vet det, aksepterer man da den utviklingen man ser? Og hvis man ikke aksepterer den utviklingen man ser, hvorfor setter man ikke da inn flere tiltak fortere? Jeg er spesielt opptatt av sørsamenes situasjon, fordi de er ekstra sårbare. De er en særlig liten gruppe i antall. Vi kan kanskje snakke om en minoritet i minoriteten. Norge har gjennom ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter forpliktet seg til å la bl.a. sørsamene bevare og utvikle sin egenart på varig basis. I mine øyne kan det settes spørsmålstegn ved om Norge etterlever den konvensjonen i dag. Sørsamenes levesett, kultur og språk er uløselig knyttet til reindrift som næring – livet i og med naturen. Indre Namdal, mitt hjemområde, har i mer enn 15 år vært prøvekanin, et laboratorium der norske myndigheter har testet ut en rovviltpolitikk uten forankring i lokalsamfunnet.

Og jeg forventer at regjeringen setter fart i arbeidet med å fastsette de nye bestandsmålene, som omtalt i Soria Moria-erklæringen. Sørsamenes levesett og kultur kan bare bevares gjennom aktiv reindrift. Spørsmålet er om Stortinget er villig til å ta konsekvensen av det. Nå ser vi igjen dobbeltkommunikasjon fra Senterpartiet, som de er utrolig flinke til. Det er Nå ser vi igjen dobbeltkommunikasjon fra Senterpartiet, som de er utrolig flinke til. Det er ikke lenge siden vi hadde et lovforslag oppe om å gjøre noe med tallene for rovdyrbestanden. Det ble dessverre nedstemt – av Senterpartiet, av den rød-grønne regjeringen – og det er også i strid med Soria Moria. Så det er ikke noe nytt at det dere gjør, er i strid med Soria Moria og i strid med det dere står for. Det er egentlig slik at rovdyrene aldri har hatt det bedre enn under Senterpartiet i regjering. Jeg tør si at statsråd Brekk faktisk nærmest er nærmest er faren til rovdyrene. Han tar vare på dem på alle mulige måter. Så kanskje det er på tide at man setter tæring etter næring, og slutter med dobbeltkommunikasjon. Presidenten vil bare bemerke at all tale skal rettes til presidenten. Regjeringen kan vel få skylda for mye, men at statsråd Brekk er faren til rovdyrene, er vel kanskje å trekke det litt langt.

regner med at man også vet at Senterpartiet stemte imot rovviltforliket da det ble inngått i 2004. Selv om jeg ikke er fornøyd med den rovviltpolitikken som føres i Norge i dag, ser jo jeg med ganske klare øyne viktige forskjeller på den politikken dagens regjering fører, og den som har blitt ført av tidligere regjeringer. Bare en sånn ting som at vi har fått inn i Soria Moria II at vi faktisk skal ha en ny vurdering av bestandsmål, er jo altså en milepæl i det årvisse arbeidet med å få gjort noe med rovdyrpolitikken. Det undrer meg når man skryter av at man har fått noe inn i Soria Moria. Da er det papiret man er ute etter. Det er det blekket man skriver med, fargen på blekket, man er interessert i. For når man kommer i denne salen og kan gjøre en forandring med en lov, ja da stemmer man imot. Så her må man sette tæring etter næring, og så får man begynne å være realistisk. Og så synes jeg det er greit at kanskje velgerne får vite hva slags dobbeltkommunikasjon og dobbeltmoral Senterpartiet har. Flere har ikke bedt om ordet til sak

understreket at det arbeider mange nye ansatte i Sjøfartsdirektoratet som har god fagkunnskap. Riksrevisjonens undersøkelse har imidlertid avdekket en rekke svakheter under sin revisjon av Sjøfartsdirektoratets dokumentkontroll av fartøy og sjøfolk. Funnene var så vidt alvorlige at Riksrevisjonen stanset arbeidet med en full forvaltningsrevisjon og rapporterte på de funn vi i dag behandler i Stortinget, for å sikre

Direktoratet har i liten grad oversikt over antall saker og mangler oversikt over saksbehandlingstid. Det er videre avslørt tilfeller hvor utgående vedtak bevisst holdes tilbake fra offentlig journal for å gi selskapet vedtaket omhandler, tid til å områ seg. Dette er en form for forvaltningspraksis som naturligvis ikke er akseptabel i 2010, og som komiteen betrakter som alvorlig brudd Videre er det grunn til å understreke hvor viktig gode forvaltnings- og dokumentasjonsrutiner er for sjøsikkerheten. Komiteen mener at gode saksbehandlingsrutiner er viktig for å sikre sjøsikkerheten. Uten at jeg snakker på vegne av hele komiteen, tillater jeg meg å peke på at jeg synes næringsminister Trond Giske undervurderer skadepotensialet i de brudd på god forvaltningsskikk og den manglende internkontroll som er avslørt på dette området. Imidlertid kan jeg på komiteens vegne si at vi har merket oss at Nærings- og handelsdepartementet i tildelingsbrevet for inneværende budsjettår selv har understreket viktigheten av at direktoratet får på plass et tilfredsstillende system som sikrer god og systematisk styringsinformasjon. Til tross for at enkelte av de forhold Riksrevisjonen omtaler i sin rapport, er tatt opp i forbindelse med tildelingsbrevet for 2010, er komiteen tilfreds med at Riksrevisjonen vil følge opp disse funnene i løpet av tre år. Det gjenstår da bare å si at komiteen er enstemmig i denne saken på alle punkt. Sjøfartsdirektoratets overordnede mål er

Norge som en av de fremste nasjoner når det gjelder maritim virksomhet, kan ikke være bekjent av å ha noen som helst uklarheter på dette området. Sikkerhet til sjøs er av meget stor samfunnsmessig og økonomisk betydning for vår nasjon. Derfor er det viktig at fokus blir rettet mot om de redskapene vi som nasjon har i denne sammenheng, fungerer optimalt og dermed skaper trygghet for alle parter. Riksrevisjonen har ved den foreliggende undersøkelsen avdekket svakheter ved saksbehandlingen i viktige deler av Sjøfartsdirektoratets virksomhet. Riksrevisjonen framholder at det i liten grad er utarbeidet prosedyrer og sjekklister i saksbehandlingen, og at det er blitt fattet vedtak som ikke er i tråd med regelverket. Her nevnes også forhold som at viktig informasjon ikke er journalført, og at vedtak har fått utsettende virkning uten at Sjøfartsdirektoratet har utstedt omgjøringsvedtak. Dette er forhold som alle parter er opptatt av å ha den høyeste standard på. Noen som helst slags tvil på slike områder er ingen tjent med. Det framholdes at ved flyttingen av Sjøfartsdirektoratet fra Oslo til Haugesund mistet direktoratet 84 pst. av bemanningen, og at dette skjedde samtidig som det ble en stor vekst i Alle forstår at dette var en stor utfordring for direktoratet, og at det medførte et stort arbeidspress for alle ansatte – både dem som var med til Haugesund, og dem som ble nytilsatt. La meg tilføye at jeg ikke ser på flyttingen som noe negativt for framtidig rekruttering og drift av Sjøfartsdirektoratet. Direktoratet er nå på plass i et område hvor den maritime kompetansen er sterk, noe som utvilsomt er positivt for framtidig rekruttering av de beste fagfolkene. Jeg forstår det slik at dette allerede er en realitet, og jeg er helt sikker på at dette vil bli enda bedre i tiden som kommer. Her har jeg lyst til å trekke en parallell til da Polarinstituttet flyttet fra Oslo til Tromsø. Da var det mange ansatte som hoppet av, og spådommene var dystre, men i dag har Polarinstituttet på plass en helt unik kompetanse på sitt område. Jeg tror dette skyldes nettopp lokaliseringen. Jeg har merket meg at departementet tar situasjonen i Sjøfartsdirektoratet på største alvor, at det i 2008 ble gitt ekstrabevilgninger for å håndtere utfordringene knyttet til bemanning og kompetanse, og at dette senere er blitt videreført. Jeg ser derfor positivt på situasjonen, og jeg føler meg trygg på at alle parter gjør det som er mulig for å rette på de forhold som er påpekt fra Riksrevisjonen. Ikke minst er det viktig for den framtidige rekrutteringen og for direktoratets ansatte at og for direktoratets ansatte at man får konsentrere seg maksimalt om alle oppgavene som tilligger dette viktige direktoratet. Riksrevisjonens rapport er et viktig innspill til Sjøfartsdirektoratets arbeid for kontinuerlig å forbedre saksbehandlingen. En rekke tiltak er allerede satt i

Departementets styring av Sjøfartsdirektoratet er basert på en helhetlig tilnærming til hele internkontrollsystemet, herunder risikostyring, kontrollaktivitet, informasjon og kommunikasjon samt oppfølging/revisjon av direktoratets interne styringssystemer. Dette gjenspeiles i departementets tildelingsbrev til direktoratet hvor det tydelig framgår at risikostyring skal være en integrert del av

skulle reduseres på sikt. For å sikre tilstrekkelige ressurser og faglig kompetanse til å gjennomføre fastsatte målsettinger på sentrale arbeidsområder innenfor sjøsikkerhet og miljø, ble direktoratets driftsbevilgninger styrket med 28 mill. kr. Styrkingen av Sjøfartsdirektoratets driftsbudsjett er videreført i 2009 og 2010. Dette har bidratt til økt rekruttering og bedre balanse mellom oppgaver og ressurser.

Sjøfartsdirektoratet har ansvar for et omfattende regelverk. Vårt nasjonale regelverk er i stor grad basert på internasjonalt regelverk fremforhandlet i FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon, IMO. Direktoratet har satt i gang et arbeid som ser på mulige forenklinger av dette regelverket. Jeg viser også til at IMO gjennomførte en revisjon av Norge som flagg- og havnestat i 2007. Revisjonen avdekket ingen avvik i forhold til direktoratets implementering av internasjonalt regelverk. Norge er medlem i havnestatskontrollregimet the Paris Memorandum of Understanding on Port State Control. Målsettingen er at hver havnestat årlig skal inspisere 25 pst. av det totale anløpet av fremmede fartøyer. Kontrollen retter seg mot alle fartøy som anløper partenes havner, uavhengig av hvilken flaggstat det tilhører. Basert på gjennomførte kontroller utarbeider Paris MOU en hvit-, grå- eller svartliste, som klassifiserer skipenes standard. Norge er på hvitlisten, noe som viser at det er få tilbakeholdelser av norske skip som ledd i havnestatskontroll i andre stater. Dersom Sjøfartsdirektoratet ikke hadde gjennomført vedtatt sikkerhetsstandard som ledd i sin sertifisering av norske skip, ville flere skip blitt tilbakeholdt i utlandet. ESA, EFTA Surveillance Authority, ved EMSA, European Maritime Safety Agency, gjennomførte revisjon av Sjøfartsdirektoratets havnestatskontroll i 2009. Det ble ikke erkjenner at Sjøfartsdirektoratet har et klart forbedringspotensial for økt kvalitet i saksbehandlingen, som også understrekes i denne debatten. Nærings- og handelsdepartementet har i tildelingsbrevet for 2010 understreket viktigheten av at Sjøfartsdirektoratet skal ha et velfungerende internkontrollsystem. Jeg understreker avslutningsvis at departementet har en god og tett styringsdialog med direktoratet.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

Det betyr at de har en særstilling i norsk politikk. Det betyr at de må ivareta sin rolle med varsomhet, kontroll og åpenhet. De fakta som denne riksrevisjonsrapporten baserer seg på, forteller om en kultur der man ikke har hatt de ordene som hovedslagord for arbeidet. Grunnlaget for Riksrevisjonens rapport er basert på en varsler som tok belastningen det var å fortelle om hvordan forholdene var i Norsk Tipping på det tidspunktet. Vi i Stortinget skal være glad for at noen tar den belastningen det er, og vi skal være glad for at noen tar rollen det er å være varsler i slike sammenhenger. For det som her blir lagt fram i riksrevisjonsrapporten, er ganske alvorlig. Det handler om en organisasjon som ikke har gode egne rutiner, som heller ikke oppdager feil, og som utvikler en kultur som komiteen faktisk har gått så langt som å kalle «en ukultur». Det er en sjelden hard kritikk både komiteen og Riksrevisjonen har kommet med. Det er også beklagelig at man ikke har oppdaget dette langt tidligere, sjøl om det er tydelig at mange av de tingene som er påpekt i Riksrevisjonens rapport, ikke har foregått over lang tid, og det er mange regjeringer som har skyld i at denne kulturen har fått vokse fram. Norge var et veldig vellykket og godt grep, som førte til at man fikk kontroll på noen av disse problemene. Men det er klart at eierstyringen fra departementet over tid har vært dårlig, og at man har vært mye mer opptatt av å utøve spillpolitikk enn eierstyring for sitt fremste spillfirma. Det er også en manglende forståelse i hele systemet for habilitet og for grenser mellom egen økonomi og økonomien til et statlig AS. Ja, det er grelle eksempler som har kommet fram, om hvordan man blander sammen dette og gjør forholdene rotete, uoversiktlige og det fører til at man mangler tillit. Komiteen har drøftet fornuftige løsninger når det gjelder revisor. Dette er ett av de to punktene der vi deler oss. Fremskrittspartiet får gjøre rede for sitt eget syn. Det komiteen har vektlagt, er at vi nok tror det er fornuftig å bytte revisor med jevne mellomrom for å få noen som med et friskt blikk kan se på bedriften. Det er spesielt viktig i en slik bedrift, som opptrer som en monopolbedrift, og som nærmest blir sett på som en pengemaskin for den norske stat. Jeg mener at hvis man sitter og er sjef for et slikt firma, må man forholde seg til de pengene som kommer inn, nesten som en skattedirektør som skal forholde seg til skattepengene som kommer inn. Dette er fellesskapets penger, som man skal forvalte med den ærbødigheten som faktisk forventes. Derfor tror vi det er viktig å lage nye, gode internrevisorsystemer. Det er også viktig å ha en revisor som ikke departementet har et avhengighetsforhold til, og som departementet kan lene seg på når de ønsker å drøfte ting. Det er klart at man vil ha en annen rolle med en ekstern revisor enn med en riksrevisor, som også er departementets revisor. Statsråden har gjort grep og fått til en bedre eierstyring. Vi fikk under vår høring mange eksempler på at den nye ledelsen har en annen forståelse av rollen sin enn det tidligere ledelse tydeligvis har hatt, og at departementet har laget nye rutiner. Komiteen ønsker at man skal ha en oppsummering av de nye rutinene, og at regjeringa kommer tilbake til Stortinget og orienterer om de nye grepene som er gjort når det gjelder å ha styringen over bedriften. Så til et punkt der komiteen ikke er enig, der Venstre og Fremskrittspartiet står sammen om en merknad, og det gjelder sponsing. Dette en bedrift som bidrar til et overskudd som fordeles ved Kongen i statsråd. Det å ta ut store deler av det overskuddet for å bidra til en egen type sponsorpolitikk, mener jeg at man skal være meget restriktiv på. Det betyr at bedriften overtar en del av fordelingen, som jo egentlig skulle ha vært underlagt demokratisk kontroll. kontroll. For det andre er det sånn at sponsing, ut fra et rent forretningsmessig forhold, betyr at man forfordeler noen kulturuttrykk i forhold til andre. Det er klart at man også forfordeler mellom f.eks. ulike idrettsgrener – som ikke er det som er landets offisielle politikk. Så vi avviser ikke at Norsk Tipping skal ha sponsing, men vi mener at det skal det være en meget restriktiv argumentasjon for, nettopp fordi det griper inn mot regjeringas politikk, og fordi det også forfordeler i noen kulturformer. Det er klart at det er forholdsvis sannsynlig at det er mer lønnsomt, ut fra et rent økonomisk perspektiv, å sponse toppidrettsutøvere enn å sponse en lokal, liten 4H-klubb eller andre som man politisk mener at man skal prioritere. Jeg håper at statsråden kan si noe om hva hun tenker om det. Det er veldig uvant for meg å ta 10 minutters taletid, det er første gangen i år. Men til slutt vil jeg oppsummere litt, om en grunnleggende forståelse for hvilken rolle Norsk Tipping faktisk har. Dette er en ren pengemaskin for staten. Hvis man ikke har veldig stor åpenhet, hvis man ikke har veldig gode kontrollregimer, og det utvikler seg sånne kulturer som det vi her har sett – som komiteen faktisk definerer som en ukultur – har vi mislyktes med hele spillpolitikken vår, fordi det undergraver den tilliten som Norsk Tipping faktisk trenger for at folk skal velge dem når de skal velge for moro skyld. Norsk politikk på spillsiden har de siste årene vært veldig opptatt av å begrense, og det har av og til fått utslag som en historisk har kunnet se innenfor alkoholpolitikken i perioder, som heller ikke har gått bra. Jeg tror det er viktig at man nå lener seg tilbake og sier at det å spille spill er noe som de aller fleste synes er morsomt, men for noen kan det gå galt. Da må vi regulere det, ikke forby oss bort fra det. Det er klart at det at vi ikke har brydd oss om styringen av denne bedriften, det at vi ikke har brydd oss om omfanget av denne bedriften, og det at vi også har trodd at alle spill er greie så lenge Norsk Tipping har logoen sin på, tror jeg vi må gå bort fra. Vi må se på hvordan vi skal lage eierstrukturer på hvordan vi skal lage eierstrukturer her, og hvordan vi skal foreta en spillregulering som tåler framtidas utfordringer når det gjelder ny teknologi, og når det gjelder andre utfordringer, for Norsk Tipping har forspilt mange av sjansene sine i og med det som her er avslørt i Riksrevisjonens rapport. Vi må se på hele spillpolitikken vår på en breiere måte enn som så. det som her er avslørt, og det bør også bety at man drøfter både spill og eierstyring på en ny måte. Presidenten vil bemerke at den tildelte taletid som hver enkelt representant får, er den maksimale taletiden. Det er fullt mulig å bruke kortere tid dersom man ønsker det. Det er et valg hver enkelt representant får gjøre. Jeg har lyst til å

«Det er den elleville historien om hvordan samrøret mellom private og offentlige selskaper gjorde det mulig å svindle til seg enorme beløp som vannverkssjefen saltet ned i sitt jaktparadis i Sør-Afrika.» Så langt Aftenposten. Uten sammenligning for øvrig og i en helt annen målestokk – selvfølgelig mye mindre Så langt Aftenposten. Uten sammenligning for øvrig og i en helt annen målestokk – selvfølgelig mye mindre – er det visse strukturer som vi kan nikke gjenkjennende til når vi går gjennom den utvidede revisjonen av Norsk Tipping, og som gjør at det er veldig viktig at vi trekker lærdommer av slike saker som dette. Her har vi altså å gjøre med en administrerende direktør som ble en slags konge på haugen – med lettere stormannsgalskap – som i økonomi. Den mye omtalte gartnersaken er bare en liten del av det som avdekkes. Vi ser det vi har kalt en ukultur. Vi ser manglende sporbarhet og manglende åpenhet. Vi snakker her om et særlovsselskap med garanterte inntekter – uten skikkelig internkontroll. Alt som kunne gå galt, gikk galt: internkontrollen sviktet, styret sviktet, revisor sviktet, og eier sviktet. Det måtte altså en varsler til, en «whistleblower», for at tingene skulle komme fram og opp i lyset – og ære være vedkommende for det. Det skal, som saksordføreren sa, Stortinget være glad for. Men hvordan kunne dette skje – og hvorfor skjedde det? En ting var, tror jeg, at styret var forblindet. Her hadde man et selskap der pengene strømmet inn. Norsk Tipping var vellykket som spillselskap – og er vellykket som spillselskap, la meg understreke det. Men dermed lukket også styret øynene for de økonomiske mislighetene som ble begått. Vi skal huske på at Norsk Tipping bare i perioden 1997–2007 hadde en økning i spilleinntektene på 35 pst. Da kan man lett bli beruset. Bakrusen burde imidlertid ha kommet

og i mye mindre grad har fulgt opp forretningsdriften – dvs. vært for lite opptatt av eierstyring. Dette var også saksordføreren inne på i sitt innlegg. Jeg er derfor veldig glad for at statsråd Anniken Huitfeldt i den åpne høringen som komiteen har hatt, understreket at Riksrevisjonens rapport har ført til vesentlige endringer. Det er blitt utarbeidet nye etiske retningslinjer, og det er kommet nye rutiner ved årlig gjennomgang av de etiske retningslinjene. Det er også viktig, synes jeg, at statsråden nå foretar en intern gjennomgang av departementets eierstyring, og at hun vil komme tilbake til Stortinget på et senere tidspunkt når den endelige faktagjennomgangen er ferdig. Så: Norsk Tipping er et særlovsselskap, det er ikke en del av forvaltningen, og det er heller ikke en del av statsregnskapet. Store verdier går ut og inn hver eneste dag. Derfor mener komiteen at dette selskapet kanskje bør ha en vanlig, ekstern bedriftsrevisor som kan følge den daglige driften, og som styret kan forholde seg fortløpende, og som også departementet kan forholde seg til, uten at det blir dobbeltkjør. Det betyr selvfølgelig ikke at Riksrevisjonen ikke skal drive forvaltningsrevisjon, men det dreier seg om den daglige revisjonen. Komiteens flertall – alle unntatt Fremskrittspartiet – ber derfor departementet vurdere om det for framtiden ikke bør være slik at Norsk Tipping bør få en ekstern bedriftsrevisor, en profesjonell revisor, slik alle andre statlig eide selskaper har.

gjennom mange saker: om automater, om spilleavhengighet, om innføring av automatmonopol, og om effektene av å gi Norsk Tipping dette monopolet. Fremskrittspartiet sto alene i kampen mot automatmonopolet, og vi har også følt oss relativt alene i kampen for bedre kår for de lotterier som frivillige organisasjoner har tillatelse til å drive, og som er unntakene fra spillemonopolet. Men dette er en annen debatt. Jeg har også hatt anledning til å besøke Norsk Tipping ved flere anledninger og bli orientert om driften der. Alle monopoler bør ha oppmerksomhet fra det politiske miljø, og særlig oppmerksomhet bør man ha når det gjelder offentlige virksomheter som har monopol. De må holdes i stramme tøyler! Riksrevisjonens rapport viser at Norsk Tipping ikke har holdt den nødvendige standard. Det ene «liket» etter det andre, om man skal si det slik, har falt ut av skapet. Det hele ble startet etter at en ansatt varslet om flere kritikkverdige forhold i selskapet. Det er flott at det finnes enkeltpersoner som har mot til å gjøre slikt. Jeg har nå sittet i kontroll- og konstitusjonskomiteen siden i fjor høst, og det er blitt noen riksrevisjonsrapporter som jeg har lest. Mitt inntrykk er at det er uvanlig at Riksrevisjonen er så skarp i kritikken som man er Dokument nr. 3:14. Om man ser på den korrespondansen som er referert i Om man ser på den korrespondansen som er referert i rapporten, synes jeg også det er noe annet som er uvanlig. Det virker som man i Kulturdepartementet har et noe annet og mindre konstruktivt og ydmykt forhold til Riksrevisjonen enn andre departementer har. Men det er mitt subjektive inntrykk. Som saksordføreren også påpekte, står Fremskrittspartiet alene på ett felt i innstillingen. Flertallet ønsker at Norsk Tipping skal bytte revisor med jevne mellomrom. Fremskrittspartiet mener at Riksrevisjonen har svært god kompetanse til å foreta regnskapsrevisjon av Norsk Tipping og har tillit til at Riksrevisjonen har gjort en god jobb og vil kunne gjøre det i fremtiden. Dersom Norsk Tipping har behov for å skaffe seg mer regnskapsfaglig kompetanse, kan dette enkelt kjøpes inn fra de store revisjonsselskapene som et supplement til Riksrevisjonens kontroll. Vi er overbevist om at dersom Norsk Tipping ringer et av de større revisjonshusene eller konsulentselskapene i Norge og sier at de har behov for regnskapsfaglig assistanse eller råd, så tar det ikke mange minuttene før de får et ja. Vi har også, sammen med partiet Venstre, et litt annet syn på Norsk Tippings omfattende sponsorvirksomhet. Selvfølgelig skal Norsk Tipping kunne inngå sponsorkontrakter for å styrke selskapets omdømme. At man driver markedsføring er nødvendig for å få kunder, men det må skje etter rene og ordnede linjer, og holdes under oppsikt, slik at omfanget ikke løper løpsk. Jeg vil her vise til at det er avdekket uryddighet med hensyn til gjenytelser til ansatte og avtaler med lag og organisasjoner med tilknytning til ledere og styremedlemmer i selskapet. Vi er dog delvis beroliget ved at både nåværende styreleder og administrerende direktør i høringen forsikret at man nå har strammet inn på sponsorvirksomheten. Avslutningsvis vil jeg oppsummere Fremskrittspartiets syn slik: Det er åpenbart at det kan stilles spørsmål ved om ressursbruken i Norsk Tipping har vært forsvarlig. Dette gjelder f.eks. kjøp av virksomheter som ligger på siden av selskapets formål, manglende kostnadskontroll og utstrakt sponsorvirksomhet med manglende styring. Vi mener at den kritikken som er blitt reist mot departementets eierstyring, også er berettiget. Taperen i siste instans i denne saken er norsk kultur og idrett gjennom

en granskingsrapport, får vi nesten kalle det, ved bruk av ekstern ekspertise, som har gjennomgått en rekke av de forhold i Norsk Tipping som kan være ulovlige. Det er selskapet selv, ved det nye styret, som har igangsatt denne rapporten, eller granskingen. Jeg regner med at statsråden om nødvendig går til anmeldelse, dersom det foreligger grunnlag for det. Det er viktig – selv om forholdene ligger et stykke tilbake at det markeres at det er grenser, og at det også skal være klare bestemmelser om etikk og moral i et selskap som dette. Jeg vil også bare si følgende: Jeg er i grunnen fornøyd med den redegjørelse som nåværende statsråd ga i høringen for de prinsipper man nå har lagt til grunn for eierstyring. Det Det virker ordentlig, det virker som om man har lagt vekt på formelle linjer og sporbarhet, som det heter – altså at det føres referat og at det ikke er for mye uformellhet i styringen. Praksis vil forhåpentligvis da være i tråd med dette. Men det som slår meg, er at regjeringen fremmet i 2006 – en eierskapsmelding, som ble fremmet av Næringsdepartementet, og som skulle gjelde alle departementer. Når man leser hvordan det har vært mellom departementet og Norsk Tipping – jeg understreker har vært – lurer jeg egentlig på om den eierskapsmeldingen er kjent i alle departementer. Vi har en annen sak, som kommer til behandling på torsdag, hvor det avdekkes at Stortingets vedtak om kryptering av helseregistre i Forsvaret ikke ble kjent for Forsvarsdepartementet før det var gått ca. ett og et halvt år etter Stortingets vedtak. Så man kan alltid lure på om informasjonsflyten internt i regjeringssystemet er tilfredsstillende. Debatten om denne eierskapsmeldingen ble ført med næringsministeren i salen, og den omtalte krypteringsdebatten med helseministeren i salen. Følger virkelig ikke departementene mer med på hva som foregår i Stortinget? Det spørsmålet er det i alle fall all grunn til å stille, også med utgangspunkt i denne saken. To kommentarer også til der det er dissens i innstillingen, først sponsing. Vel, Høyre og jeg ser på sponsing som noe som er kommersielt styrt av selskapet for å øke selskapets inntjening og dermed utbytte og dermed også bidra til de formål som skal tilgodeses, bl.a. idretten. Sponsing trenger ingen annen politisk styring enn det. har så trukket opp enkelte etiske retningslinjer som for meg også virker helt selvsagte, men som det åpenbart har vært brudd på tidligere. Utover det trenger man ingen politisk styring av sponsingen. Sponsing skal ikke være idrettspolitikk, det er resultatet av virksomheten som skal skape og gi grunnlag for idrettspolitikk. Så spørsmålet om revisor. Det er i og for seg ingen mistillit til Riksrevisjonen når et flertall, et stort flertall, ber departementet om å vurdere om ikke Norsk Tipping bør bruke annen revisor enn Riksrevisjonen, altså engasjere privat, ekstern revisor. Det er av to grunner – det ene er fordi jeg tror at Norsk Tipping åpenbart trenger en mer aktiv revisjon enn det Riksrevisjonen etter sitt formål kan være. Da sier Fremskrittspartiet at da kan de bare gå ut og leie den hjelpen. Vel, det ville være litt pussig hvis man skulle ha én revisjon, og i tillegg skulle gå til en annen revisor og be om råd. Det kan nok skape visse etiske problemer både for den ene og den andre, særlig for dem som blir leid inn for å gi råd til et selskap som er under revisjon av et annet selskap igjen, eller av en annen revisor. Den andre grunnen er at jeg i og for seg synes det er ryddig at Riksrevisjonen reviderer departementers eierstyring, mens det er en annen revisor som reviderer selskapet Norsk Tipping. En har paralleller til dette i andre deler av administrasjonen. Jeg minner om at det er Riksrevisjonen som reviderer Finansdepartementets eierstyring av Statens pensjonsfond utland, mens det er Statens pensjonsfond utland som har egen revisjon og styres av selskapets representantskap. Det er en god parallell.

avsnittet som heter «Åpenhet og tillit» i komiteens merknader. Jeg tror en skal være klar over at Norsk Tipping – med den monopolsituasjonen de har, ikke minst også etter at de nå har overtatt spilleautomater – for leverandører er et selskap som er en lekkerbisken, la oss kalle det det. Å få avtaler med Norsk Tipping Tipping betyr enormt mye for dem som får det: sikker betaling, stort volum, osv. Dermed kreves det ekstra mye for å være sikker på at de prosessene man har, f.eks. ved utvelgelse av leverandør, er gode. Jeg synes jeg fikk en aha-opplevelse da vi Det var mye fokus på tidspunktet for at Norsk Tipping kom inn under lov om offentlig anskaffelser. Det ble et voldsomt arbeid for Norsk Tipping, ble det sagt, etter at man måtte forholde seg til den loven. Det sier meg noe om spørsmål ble det riktignok svart at de selvfølgelig hadde rutiner osv. Men mitt bestemte inntrykk var at i hvert fall det som skaper notoritet rundt anskaffelser, var det mye å gjøre med på et gitt tidspunkt, i dette tilfellet etter 2005. Her tror jeg det rett og slett har vært for slapt i bedriften. Det er et område som jeg er veldig glad for at man både fra statsråds side og fra styreleders side understreket betydningen av, for at Norsk Tipping skal kunne ivareta det samfunnsansvar man også har på en god måte framover.

Når det gjelder dette med valg av revisorer, så er vel dette da det eneste selskapet som Riksrevisjonen har. Vi vil fra vår side i hvert fall ha en viss forståelse for at man valgte en litt annen form for fremtiden, og merknadene fra flertallet her gir jo absolutt statsråden muligheten for det, slik at også Riksrevisjonen kan

når vi har fått inn den faktagjennomgangen som det ble henvist til tidligere under denne diskusjonen, og eventuelt komme tilbake til Stortinget på egnet vis og ta opp en del av de spørsmålene som her har vært reist. Jeg vil også for ordens skyld opplyse til representanten Nybakk at vannverksskandalen skjedde på Nedre Romerike og ikke på Øvre Romerike, der Jessheim ligger. Riksrevisjonens utvidede revisjon viser at Norsk Tipping må ta selvkritikk på vurderinger som førte til gartnersaken og til håndteringen av den. Det har selskapet også gjort. Den nye ledelsen har fastsatt et strengere regelverk for etikk og risikohåndtering. Selskapet har også fastsatt nye rutiner for årlig gjennomgang og rapport til styret om risikohåndtering. Jeg vil også understreke at departementet har innhentet en særskilt vurdering fra et advokatfirma om eierstyringen av Norsk Tipping. Et mål for departementets eierstyring er å oppnå mer bevisst bruk Senest i generalforsamlingen i Norsk Tipping på Hamar 4. mai understreket jeg betydningen av generalforsamlingen som eierens viktigste instrument i den løpende styringen av selskapet. Kontakten mellom departementet og styret styrkes ved at jeg nå innfører periodiske møter mellom eier og styrer. Styringsdialogen skal også formaliseres ytterligere, og det føres nå referater To forhold som Riksrevisjonen har tatt opp om Norsk Tipping, er ikke med i den rapporten Stortinget nå har til behandling. Riksrevisjonen har redegjort for dette i brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen 16. februar 2010. Brevet følger vedlagt komitéinnstillingen. Styret i Norsk Tipping har i dialog med departementet iverksatt en ekstern faktainnsamling for å kartlegge fakta om disse forholdene. Resultatet av denne faktainnsamlingen ventes å foreligge i disse dager. Jeg vil understreke at dersom det foreligger straffbare forhold, skal de, som representanten Foss var inne på, politianmeldes. Etter at rapporten er framlagt for styret i Norsk Tipping, vil jeg bli orientert om styrets vurdering med forslag til eventuell videre oppfølging. Jeg vil komme tilbake til Stortinget og orientere om resultatet av faktainnsamlingen og eventuell videre oppfølging så tidlig som mulig. Enkelte vil se på kritikken mot Norsk Tipping som et bevis på at monopolbedrifter ivaretar sitt samfunnsoppdrag på en dårlig måte. Jeg vil peke på at dette selskapet i stor grad har lyktes med å utføre de oppdrag storting og regjering har pålagt det. Selskapet driver aktiv spillutvikling og har stabilt høy og stigende omsetning som gir overskudd på 3 mrd. kr. Selskapets spill skaper i liten grad spilleavhengighet, og selskapet har på oppdrag fra Stortinget på en utmerket måte etablert et nyskapende og ansvarlig spilltilbud på spillterminaler til erstatning for gevinstautomatene som bare for få år siden skapte betydelige spillproblemer. Selskapet har også fulgt og tilpasset seg den teknologiske utviklingen både i forhold til betalingsformidling og annen spillutvikling. Norsk Tipping framstår i dag som et teknologisk selskap med høy kompetanse. Gartnersaken viser betydningen av god regnskapsrevisjon og viktigheten av en årvåken og konstitusjonell kontroll med selskapet. Mye kan tyde på at det vil styrke Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll av selskapet dersom selskapet får en uavhengig ekstern revisor som regnskapsrevisor. Selskapet vil dermed bli revidert av to ulike instanser.

Norsk Tipping er i brytningen mellom det å være et selskap som er utsatt for en type konkurranse og det å være forvalter av fellesskapsverdier.

De opererer i et konkurranseutsatt marked, og drøftinger om eventuell innføring av nye spill kan bli møtt med betydelig interesse fra konkurrenter. Så en eventuell åpenhet må ta inn over seg at selskapet opererer i en konkurransesituasjon, slik at det ikke er naturlig å ha åpenhet på samme måte som på andre

Det er naturlig å ha en gjennomgang av disse forholdene når jeg eventuelt kommer tilbake til Stortinget i egnet form når vi har fått denne faktagjennomgangen. Replikkordskiftet er omme. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 11. Etter ønske fra kontroll- og konstitusjonskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til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

De regionale helseforetakene fikk ansvaret for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige da Rusreformen trådte i kraft i 2004. Stortingets overordnede mål med Rusreformen er at rusmiddelmisbrukere med sammensatte problemer skal få gode tjenester, og at behandlingsresultatene skal bli bedre. På landsbasis utgjør de private tjenesteyterne på dette området 58,3 pst. av den samlede behandlingskapasiteten. Dette er en betydelig andel av den samlede kompetansen på området, og det viser med all tydelighet at også de private tilbyderne har fått god innpass her til lands. I 2008 ga de regionale helseforetakene tilskudd til kjøp av tjenester for ca. 927 mill. kr til private institusjoner innenfor den tverrfaglige spesialiserte

og hvorfor det går så sent, når det samtidig bevilges så pass store beløp for å bedre på forholdene. Derfor er det grunn til å se positivt på at Riksrevisjonen har gått så grundig inn i dette for å belyse alle sidene av saken. Vi er vel alle klar over at dette er kompliserte oppgaver, men desto viktigere er

at en stor del av pasientene som har vært innskrevet ved institusjonen, ikke har fått utarbeidet individuelle planer. Komiteen har også merket seg Riksrevisjonens påpekning av at manglende utarbeidelse av individuelle planer kan utgjøre en risiko for at pasientens rettigheter ikke blir ivaretatt, og at dette kan ha konsekvenser for målsettingen med behandlingen ved institusjonen. Komiteen mener at dette er forhold som snarest må bringes i orden, og det uttrykkes tilfredshet med at Helse- og omsorgsdepartementet har fokusert ekstra på dette overfor de regionale helseforetakene. Dette omfatter selvfølgelig også de private institusjonene med avtale med de regionale helseforetakene. I Riksrevisjonens undersøkelse framkommer det også at institusjonene opplever problemer knyttet til samhandling med kommuner rundt planlegging av ettervernet, og at dette i stor grad er knyttet til det å få en bolig, men også til øvrig samarbeid etter gjennomført behandling. Komiteen ser klart at manglende samarbeid på slike områder kan svekke effekten av behandlingen. En samlet komité uttrykker tilfredshet med at Helse- og omsorgsdepartementet på egnet måte vil ta opp Riksrevisjonens undersøkelse i styringsdialogen med de regionale helseforetakene. En samlet komité er også opptatt av at det bør skje mer forskning på rusområdet for å se på hva rusmisbruk kan føre til, hva slags kostnader rusmisbruk påfører samfunnet totalt sett, og hvordan vi kan hjelpe dem som er

Det er viktig at Helse- og omsorgsdepartementet prioriterer arbeidet med å få på plass nasjonale retningslinjer for disse tjenestene, og Fremskrittspartiet hadde helst sett at disse kom på plass før 2015, slik det er antydet av departementet. Som det er Som det er påpekt av Riksrevisjonen, representerer de private institusjonene en betydelig del av den samlede faglige kompetansen innen dette feltet. De regionale helseforetakene har i for liten grad benyttet den kompetansen som disse For Fremskrittspartiet er det viktig at behandlingskapasiteten og kompetansen utnyttes best mulig. Vi er mindre opptatt av om det er i privat regi, eller gjennom det offentlige. Det er pasientene, ikke hvem som driver virksomheten, som er det sentrale for oss i Fremskrittspartiet. Når de private institusjonene besitter kompetansen, er det derfor viktig at de trekkes sterkere inn i utviklingsarbeidet til de regionale helseforetakene, f.eks. når det gjelder utarbeidelse av regionale rusplaner, utnyttelse av beleggkapasitet, ettervern osv. Undersøkelsen viser at rundt 70 pst. av pasientene ikke har fått utarbeidet en individuell plan, og i de tilfeller hvor det foreligger en individuell plan, er denne ofte mangelfull. Her har institusjonene åpenbart en jobb å gjøre. Vi forutsetter at Helse- og omsorgsdepartementet følger opp, slik at flere får den hjelpen de trenger, herunder, som nevnt, utarbeidelse av individuell plan. Vi merker oss at institusjonene opplever problemer med kommunene, som skal hjelpe pasientene tilbake etter oppholdet på Problemene er i stor grad knyttet til det å skaffe bolig og til ettervern. Dersom man ikke får orden på dette, og får til bedre samarbeid, kan oppholdet på institusjon være bortkastet. Og det er det ingen av oss i denne sal som ønsker. Avslutningsvis: Vi ser i øynene at denne rapporten avdekker svakheter ved de private institusjonene. Men problemene som rapporten tar opp, gjelder for de tilsvarende offentlige institusjonene, problemer som f.eks. manglende samhandling, manglende individuelle planer, manglende retningslinjer osv. Og jeg må påpeke, til slutt, at at det opp gjennom årene har vært en rekke medieoppslag om køer når det gjelder rusbehandling. Senest i helgen var det et nyhetsmedium som meldte at ca. 4 000 rusmisbrukere står i kø. Det er derfor særs viktig at de private plassene i Norge ikke bygges ned. Det er

med den køsituasjonen som jeg synes det er vanskelig å kalle annet enn uverdig. Jeg må si at jeg er dypt bekymret over den holdningen mange helseforetak har til de private institusjonene, særlig i en situasjon hvor man har innført et – vil jeg si – knallhardt anbudsregime, som har skviset mange institusjoner som har holdt på i 30–40 år, og som blir borte på et øyeblikk. Og det skjer, dessverre, må jeg si, med regjeringens velsignelse. Dette er litt mer politikk enn det denne rapporten gir grunnlag for, men det sier meg mye når denne undersøkelsen viser at de i liten grad benytter den kompetansen man vet disse institusjonene innehar. I enkelte tilfeller involveres de private institusjonene overhodet ikke i arbeidet med regionale rusplaner. Da er det, etter min mening, noe som er riv ruskende galt, og som, til syvende og sist, pasientene må lide for. Dette underbygges også av at helseforetakene i sine anbudsregimer – det vil jeg kalle det – pålegger de private nærmest ikke å ha kontakt lenger, av den grunn at det kan påvirke anbudsprosessen. Institusjoner som tidligere var samarbeidspartnere, er nå blitt konkurrenter. Er det ett område der jeg virkelig skulle ønske at regjeringen satte inn politisk vilje, er det dette, for med en slik måte helseforetakene nå styrer dette feltet på, går det i gal retning. Det burde det ikke gjøre, når vi har flere tusen som står i kø for behandling. Så har representanten Trine Skei Grande – etter det presidenten forstår – bedt om ordet til et femminuttersinnlegg. Det får hun anledning til, før den annonserte statsråden. Takk, president, det Takk, president, det er det som er vanlig. Jeg vil ta opp et aspekt som jeg har lyst til å bemerke. For det første vil jeg si at vi slutter oss til alle merknader om bruken av private institusjoner. Ved en inkurie – jeg tror det var litt mye fram og tilbake i akkurat det møtet i komiteen – falt «fullt ut» ut av den nest siste merknaden, linje tre andre spalte, på slutten av

og mye annet, har påvirket hvordan vi kommer fram til løsninger for dem i samfunnet som er mest utslått. Jeg tror vi nå bør bevege oss bort fra dette, og si at dette er et fag som noen kan, og der noe virker. Og det som virker, bør vi bruke. Dette er mennesker som er utslått, og som sliter, og som bør få den hjelpen og støtten de kan få. få. Derfor vil jeg henlede oppmerksomheten spesielt på den merknaden fra komiteen som handler om forskning på dette feltet. Dette er det feltet innenfor medisin hvor det investeres minst når det gjelder forskning, enda vi bruker ganske mye penger på det. Oslo Universitetssykehus bruker 2 pst. av sin medisinske forskning på hele dette feltet som heter rus. Jeg mener at er det noe vi burde satset på for å få til bedre løsninger, er det å satse på de fagfolkene som kan være med på å utvikle gode faglige løsninger for folk. Dette feltet må nå ut av synsingen, det må ut av politikk og moral, vi må få skikkelige fag inn i dette, og vi må forvalte pengene på riktig måte. Da må vi ha de riktige fagfolkene til å behandle folk, og som hjelper folk ut av det livet de faktisk lever i.

Riksrevisjonen har vurdert om Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene har etablert hensiktsmessige systemer for oppfølging av tilbudet ved de private institusjonene innen tverrfaglig spesialisert behandling, heretter kalt TSB. I rapporten har de omtalt syv områder som de har funnet grunnlag for å kommentere. Rusfeltet bygger i stor grad på fagtradisjoner utenfor spesialisthelsetjenesten, slik Riksrevisjonen selv omtaler. Feltet ble en del av spesialisthelsetjenesten først ved Rusreformen i 2004. Det er grunn til å tro at det vil ta tid å innlemme et nytt fagfelt i det store systemet som spesialisthelsetjenesten utgjør. Riksrevisjonen omtaler syv områder som her skal nevnes: TSB var det første området innen spesialisthelsetjenesten der det ble etablert en prioriteringsveileder. Det skjedde gjennom prosjektet Rett Prioritering i regi av Helsedirektoratet. I januar i år kom direktoratet med nasjonale retningslinjer for LAR. Det vil komme tilsvarende retningslinjer for alle deler av TSB i løpet av fire år. Disse vil også omfatte akutt- og ambulansetjenestens tjenester til rusmiddelavhengige. Ettersom TSB først ble en del av spesialisthelsetjenesten i 2004, har det ikke vært rapportert på dette feltet tidligere. Fra 2009 vil alle institusjoner innen TSB rapportere aktivitetsdata til Norsk pasientregister, NPR. Disse tallene vil bli offentliggjort i en egen rapport fra NPR i løpet av sommeren. Dataene vil være tilgjengelige som styringsinformasjon i 2011. Fra 1. september vil alle aktuelle fagenheter i helseforetakene og alle private tjenesteytere innen TSB bli pålagt krav om prosedyrekoding. På den måten får vi informasjon om hvilken behandling som gis til pasienter i TSB, dette som grunnlag for å utvikle tjenesten videre. De regionale helseforetakene har noe ulik praksis på dette området. Helse Midt-Norge har et eget helseforetak på rusfeltet og har derfor tettere oppfølging enn de andre helseforetakene. Men alle helseregionene har organisert samarbeid med de private institusjonene. I arbeidet med Samhandlingsreformen deltok private institusjoner i en egen gruppe som arbeider med pasientforløp. Bidragene fra de private institusjonene var svært nyttig. Driften ved alle de private institusjonene skal selvfølgelig skje i tråd med gjeldende lovgivning og myndighetskrav. Dette er et klart krav i anskaffelsesprosessen som de regionale helseforetakene gjennomfører. Undersøkelsen påpeker at det i en del institusjoner ikke har vært fullgode systemer for internkontroll. Dette vil bli fulgt opp med de regionale helseforetakene på egnet måte. Alle pasienter som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Riksrevisjonen påpeker at en stor andel pasienter i TSB ikke har en slik plan. Dette skal bli bedre. De regionale helseforetakene har fått beskjed om at andelen som får Én av tre institusjoner har ikke gode nok skriftlige rutiner for samhandling med kommunale tjenester. De regionale helseforetakene skal følge opp og videreutvikle samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Dette gjelder fortsatt. Det skal snart sendes tilleggsbrev til oppdragsdokumentet for 2010. Her forutsettes det at helseforetakene gjør seg kjent med og følger opp de forhold som Riksrevisjonen tar opp i sin rapport.
Det blir replikkordskifte. Siden statsråden som er til stede, har en bakgrunn fra det angjeldende departement, våger jeg å stille følgende spørsmål: Hva er forklaringen på at Helse- og omsorgsdepartementet og regjeringen på dette området aksepterer at det går elleve år fra staten overdrar ansvaret for en pasientgruppe til at man nå utarbeider nasjonale retningslinjer for
Jeg tror en skal erkjenne at rusfeltet har vært et tungt felt der det har vært mange tilbydere som har gitt gode tjenester, men hvor det har blitt utviklet lite helhetlige tjenester. Med den erfaringen man har fått med de registrene man etter hvert har utviklet, slik at man kan se noe mer på kvalitet, Så tror jeg også at vi alle sammen skal erkjenne at rusfeltet gjennom ikke har vært det feltet innenfor helsevesenet som har hatt høyest fokus. Jeg er glad for at komiteen og andre nå har løftet rusfeltet opp. Det er også behov for å ha stort fokus på rusfeltet i tiden framover. Derfor vil det også komme nye retningslinjer for behandling i tiden framover.

i langt større grad involvert de private institusjonene for å få til en rusomsorg som er bedre enn den vi har i dag. Det tror jeg vi er enige om; det trenger vi med over 4 000 som står i kø. Mitt spørsmål til statsråden er: Er regjeringens prinsipielle utgangspunkt at de private institusjonene er likeverdige deltakere i dette samarbeidet, og vil den beskjeden også gis til
De regionale

svært viktige for at man skal få en god og helhetlig rusomsorg i tiden framover, slik at vi vet hva vi skal gjøre på hvilket tidspunkt, og også gjennom det kan få større kunnskap om hvilke behandlingsmetoder som bør tas i bruk på de forskjellige tidspunktene i rusbehandlingen. Så i denne sammenhengen er helt klart de private institusjonene en viktig del også som premissgiver for den faglige utviklingen som skal skje innenfor feltet.

Riksrevisjonens rapport føyer seg inn i rekken av rapporter og tilsyn som forteller oss at vi ikke er i stand til å gi rusmisbrukerne det tilbudet de burde fått, og som de faktisk har rettigheter til. Også Statens helsetilsyn sa dette da helse- og omsorgskomiteen hadde et møte med dem. Individuell plan blir sett på som et viktig verktøy for å kartlegge et behov og for å legge en langtidsplan for den enkelte i samarbeid med den enkelte og flere involverte instanser. En individuell plan er en rettighet som faktisk svært få opplever å få. Jeg konstaterer at en samlet komité viser til at en stor del av pasientene ikke har fått utarbeidet en individuell plan, og at komiteen i den forbindelse sier «at dette er forhold som snarest må bringes i orden». Det er flott at kontroll- og konstitusjonskomiteen er enig i dette. Det var nemlig ikke tilfellet da helse- og omsorgskomiteen behandlet Dokument om en bedre rusbehandling. Der fremmet opposisjonen følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen fremme forslag til tiltak innen rusbehandlingen for å sikre at retten til individuell plan blir fulgt opp i henhold til regelverk.» Dette skjedde for bare et par måneder siden, og da syntes ikke regjeringspartiene at det var viktig at flere fikk en slik plan. Rapporten viser også at over halvparten av institusjonene som er besøkt, uttrykker problemer i samarbeid med kommuner rundt planlegging av ettervernet. Dette er kanskje den største svikten innenfor rusomsorgen. De rusavhengige som jeg snakker med, sier alle at det var total mangel på oppfølging og ettervern som gjorde at det ikke holdt, samtidig som de som lyktes, understreker at grunnen til at det gikk bra akkurat denne gangen, var at tilbudet om ettervern var godt og riktig. Denne problemstillingen har vi hatt i årevis, og den er godt kjent for de aller fleste. Derfor vil jeg understreke at Fremskrittspartiet fortsatt er av den oppfatning at ettervernet i kommunene ikke vil bedres før vi får gjennomført en statlig finansiering av hele behandlingsløpet. Til slutt vil jeg kommentere disse påstandene: «Mangelfull kunnskap om behovet for tjenester kan føre til at det ikke er det mest hensiktsmessige tjenestetilbudet som blir etablert.»

Dette står i grell kontrast til målet om at en individuell plan skal utarbeides, og at den skal utarbeides i nært samarbeid med den det gjelder. Riksrevisjonen sier følgende om individuell plan: «Mangler i innholdet utgjør en risiko for at pasienten ikke vet hvilke tjenester som skal ytes, samt når og hvordan tjenestene skal ytes. Videre kan mangler i planen medføre at den instans som overtar oppfølgingen av pasienten etter institusjonsoppholdet, ikke har det nødvendige grunnlaget for å gi målrettet hjelp.» Det er jammen ikke rart at vi lykkes så dårlig i

egne tilskudd for at vi skal prøve ut ordninger der personer er med på å lage en individuell plan for dem som trenger koordinerte tjenester fra helsevesenet. Derfor må jeg si at påstanden om at regjeringen sier at individuell plan ikke er viktig, medfører

Etter ønske fra helse- og omsorgskomiteen vil presidenten foreslå at debatten blir begrenset til 1 time og 10 minutter, og at taletiden blir fordelt slik på gruppene: Arbeiderpartiet 25 minutter, Fremskrittspartiet 15 minutter, Høyre 10 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter, Senterpartiet 5 minutter, Kristelig Folkeparti 5 minutter og Venstre 5 minutter. Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av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
La meg først få takke komiteen for en ryddig og god prosess i behandlingen av denne saken. Jeg har også lyst til å rette en takk til min vararepresentant, Morten Stordalen, som steppet inn og tok deler av saksordførerskapet mens jeg hadde permisjon. Jeg er veldig glad for at komiteen synes å være enig om viktigheten av kreftsatsingen i årene som kommer. Et skikkelig krafttak innen kreftforskning og -behandling krever at både helsepolitikere, fagekspertise på behandling og forskning, samt de kommersielle aktørene innen medisin og forskning står sammen. Dette er ikke bare vårt samfunns utfordring, men hele verdenssamfunnets store medisinske utfordring. På dette feltet er det derfor medisinske utfordring. På dette feltet er det derfor ingenting som skal hindre lille Norge i å være en spydspiss i verdensmålestokk. Jeg synes faktisk ikke at vi skal ha lavere ambisjoner enn som så. Status er nok ikke alltid så bra som vi skulle ønsket. I den anledning vil jeg få lov til å vise til direktøren i Helsetilsynet, Lars E. Hanssen, som har gått hardt ut i Dagens Næringsliv denne måneden. Han refset ledelsen ved norske sykehus for dårlig organisering av kreftbehandlingen. En risikorapport tilsynet har utført, sier at risikoen er for stor, og at forbedringspotensialet er «betydelig» – intet mindre. Derfor er det prisverdig at Høyre har fremmet dette forslaget. forslaget. Undertegnede og Fremskrittspartiet har tidligere i denne sesjonen også reist en interpellasjon på det samme felt. Kreft er en forferdelig sykdom som rammer, eller kommer til å ramme, hver tredje nordmann. Den rammer ikke bare kroppen fysisk, men er også en stor utfordring mentalt – både for den som får den vanskelige beskjeden, og ikke minst de pårørende. Det å få en slik beskjed er tungt og vanskelig, og de av oss som ikke har fått en sånn beskjed, kan sannsynligvis ikke forestille seg hvordan det er. Nettopp derfor må vi ha det beste systemet, for å ta vare på pasientene og ikke minst de pårørende. Det er viktig at og det må ikke stå på landets lovgivende forsamling når kampen mot kreftsykdommen skal kjempes. Derfor er denne saken så viktig, ikke bare for å hjelpe dagens kreftpasienter og deres pårørende ut av sitt sykdomsbilde, men minst like mye for å sikre at morgendagens kreftbehandling både er bedre, mer omfattende – og gir et bedre resultat enn dagens

eller pris på menneskeliv, om man vil. Helsedirektørens utspill om at kreftpasienter ikke kan påregne den aller beste behandling i fremtiden, har skremt mange, meg inkludert. Debatten er viktig og riktig, men har feil fokus. Man kan, og skal, selvfølgelig stille noen spørsmål ved det norske helsevesenet. Og man kan, og skal, stille spørsmål om det norske helsevesenet er for dyrt. Ja, kanskje er det det, men sannsynligvis ikke på grunn av de få dyre pasientene eller på grunn av kreftforskningen. Nei, jeg tror snarere at det skyldes dårlig organisering, overbyråkratisering samt at vi selvfølgelig er et langstrakt land, som gjør at vi ikke kan sammenlignes med en del land som vi blir sammenlignet med. I den prioriteringsdebatten er det viktig å stille spørsmålet om vi må prioritere kreftbehandling. Mitt og Fremskrittspartiets svar er: Ja, det må vi. Det er for øyeblikket den sykdommen som rammer flest, og her ligger det også et stort potensial for fremtiden til å redde mennesker, og ikke bare det, men få dem tilbake til samfunnet på en skikkelig måte. Så skal vi også huske at vi er verdensledende på feltet fra før av, og vi må ta vare på den kompetansen vi har, og ikke minst utvikle den. Jeg har fått mange fortvilte telefoner og mailer i den senere tid etter at prioriteringsdebatten startet. Og jeg tror vi skal tenke litt over hva dette gjør med mennesker som har fått den vanskelige beskjeden og er beredt til å ta sitt livs tøffeste kamp for å kunne overleve og igjen komme tilbake til samfunnet. Samtidig som man bestemmer seg for hva man skal gjøre og prøver å få krefter til det,

kan ta seg råd til å være ledende på å utvikle fremtidens kreftbehandling, hvem skal da kunne være det? Det er viktig at vi som nasjon bidrar til mer forskning, mer utvikling og bedre behandling. Det er én av grunnene til at helsedirektørens utspill, for å bruke VM-sjargongen, er et skudd langt over mål. Grunnen til at vi skal satse på eksperimentell behandling er at det er det som på sikt vil skape fremtidens kreftbehandling. Utviklingen på kreftfeltet går lynraskt, og Norge må henge med. Hvis vi skal se på de pilarene som vi har i norske kreftforskning, hvor Radiumhospitalet er den ene, er det grunnleggende at det som må være på plass for å oppnå målsettingen om å forbedre kreftbehandlingen, er å ta vare på det kompetansemiljøet vi allerede har. Det er altså Radiumhospitalet. Derfor er det viktig å sørge for at miljøet rundt Radiumhospitalet, som Derfor er det viktig å sørge for at miljøet rundt Radiumhospitalet, som har et godt rykte internasjonalt, blir styrket, slik opposisjonen har tatt til orde for flere ganger det siste året. Kreftregisteret er også en viktig pilar, som etter min og Fremskrittspartiets oppfatning må bestå som en selvstendig enhet, og ikke fragmenteres eller rotes Registeret har en sentral rolle – og har hatt det – i norsk kreftforskning, og er kanskje en av de viktigste grunnene til at vi ligger i forkant. Dette må utvikles til å bli flere kvalitetsregistre for kreftsykdom. De skal selvfølgelig være pseudonyme, eksternt krypterte og basert på krav om samtykke eller reservasjonsrett. Det har opposisjonen fremmet forslag om. Oslo Cancer Cluster, OCC, er en viktig pilar i kreftforskningen. De har vært en pioner i form av det tankesett som ligger bak integrasjonen av industri, forskning og behandling, et tankesett som har blitt en mange rundt om i verden – faktisk etter akkurat den norske modellen. Derfor må OCC både finansielt og ikke minst i henhold til rammevilkår videreføres og styrkes, slik at de kan forbli den pilaren de har vært. Helt til slutt har jeg lyst til å nevne Stamcellesenteret som den siste pilaren jeg peker på. Her ligger mye av fremtiden i norsk og internasjonal kreftforskning. Jeg tror personlig at svarene ligger på dette området. Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet har kjempet igjennom at Stamcellesenteret skulle etableres, men vi ligger dessverre langt bak tilsvarende land med hensyn til bevilgninger og ressurser til det arbeidet som gjøres – selv Sverige ligger langt, langt foran oss. Det må det bli slutt på. I innstillingen har Fremskrittspartiet også i sine merknader vist til fraksjonens besøk hos MD Anderson Cancer Center i Houston, og det er ikke helt uten inspirasjon fra dette besøket og det vi fikk oppleve der, at vi er ekstra engasjert i kreftsaken. Mitt innlegg gir meg dessverre ikke anledning til å gå inn på alt det vi opplevde, men jeg vil bare kort nevne noen av grunnene til at vi føler at vi lærte mye og fikk god inspirasjon i Houston. Det gjelder ikke minst det fagmiljøet som vi fikk oppleve der, hvor det altså var 18 000 ansatte som var dedikert kreft, kreftbehandling og -forskning og til en søken etter morgendagens svar på dagens store utfordringer. De var også gode på å se helheten i mennesket.

behandlingen. Samtidig vil jeg vise til de utdypende svarene som ligger i statsrådens svarbrev, som er vedlagt innstillingen. Kreft er en av våre store utfordringer, både for den som rammes, for familien rundt og for samfunnet. Derfor er det så viktig at vi kontinuerlig ser på muligheten til å få en bedre behandling, at forskningen blir bedre, og at vi jobber for å få til en enda bedre omsorg enn den vi har i dag. Det skal f.eks. ikke være nødvendig å vente på behandling. behandling. Helsetilsynet viser også i sin rapport hvor disse hovedutfordringene er. De må vi gjøre noe med, som f.eks. forsinkelser med hensyn til diagnostikk. Her må det smidigere, raskere og bedre rutiner til, noe som jeg regnet med at statsråden kommer til å følge opp. Mye har skjedd på få år når det gjelder kunnskap og behandling, og mye kommer til å skje. Nye medisiner og nye metoder gjør at flere overlever, og også kvaliteten på det livet som leves med kreft, er bedre. Derfor er satsingen når det gjelder å bedre kvaliteten, med nye kvalitetsforskrifter, forskning og utvikling, noe av det viktigste vi kan gjøre for å få det enda bedre til. Et av de store gjennomslagene som jeg har lyst til å nevne, er HPV-vaksinen mot livmorhalskreft, som tilbys jenter fra 7. klasse. Det er veldig bra at uvaksinerte jenter – de som er født i 1997 – som på grunn av pandemivaksinen ikke fikk tilbudet, de som er født i 1997 – som på grunn av pandemivaksinen ikke fikk tilbudet, nå får det tilbudet, for vi vet at denne vaksinen på sikt sparer mange liv. Rundt 300 kvinner rammes hvert år, og 80–100 dør hvert år av denne formen for kreft. Målet må være å få dette ytterligere ned. Forslagsstillerne nevner utvikling av flere kvalitetsregistre, og det er vi enig i. Men vi mener at de skal være pseudonyme og eksternt kryptert. Jeg stiller også det spørsmålet som statsråden i sitt svarbrev påpeker: Hvordan kan det la seg forene med det som de foreslår når det f.eks. gjelder Mammografiprogrammet? Pseudonyme registre vil i slike programmer vanskelig la seg forene med systematikken og

Vi ønsker at de prøvene som er tatt, skal tas vare på og brukes til beste for framtidens kvinner. Det tror jeg de fleste kvinner som har vært med på disse programmene, ønsker. De tar det nesten for gitt at det er slik. Men utfordringen er jo nå hvordan vi skal innhente dette samtykket, og hvordan vi skal finne de løsningene som gjør at vi I Cervixscreeningprogrammet finnes det opplysninger om 1,3 millioner kvinner. Det er viktig å presisere at dette ikke dreier seg om fysiske prøver, men det dreier seg om prøvesvar. 90 pst. av disse prøvesvarene er negative. Oppfølging med tilskriving hver tredje år, med ytterligere påminnelse, gjør at mange deltar og blir med i programmet videre. Mange liv er derfor spart på den måten, fordi en kan ta fatt i problemet tidlig. Dødeligheten er redusert med over 50 pst., dvs. at den er halvert siden programmet startet i 1995. 79 pst. av alle norske kvinner deltar på eget initiativ etter fem år, noe som sier meg at dette har stor forankring i befolkningen. Det er selvfølgelig ikke bra at de formelle tingene ikke er i orden, men dette materialet er for verdifullt til at det skal slettes. Derfor er det viktig og riktig nå med gjennomgang av reglene, sånn at vi skal unngå det i framtiden. Men like viktig er det for oss i arbeiderpartifraksjonen at vi tar vare på det som allerede er gjort. Vi håper at statsråden ser på den saken videre og finner en god løsning. Kreftregisteret er som saksordføreren nevnte, et av verdens største og eldste og vi bør ivareta den jobben som må gjøres med tanke på framtidens kvinner når det gjelder dette. Datatilsynet har krevd at disse forholdsvis lite sensitive dataene skal slettes. Det betyr at programmet i sin nåværende form må legges ned. Vil vi det, og har vi råd til det? Et annet forslag i innstillingen, er spørsmålet om screening av tykktarms- og endetarmskreft. Det er den nest hyppigste formen for kreft, og det er viktig at også denne typen oppdages tidlig. Vi vet at dette er en type kreft som egner seg for screening, og vi viser til at Helsedirektoratet anbefaler pilotprosjekt på det. Vi venter i spenning på Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten som skal gi sitt råd nå i juni, og vi håper at det kommer en rask avgjørelse. En av de hyppigste kreftformer blant menn er altså tarmkreft. Ut fra det vi vet om menn og deres evne til å oppsøke lege, er de ikke like flinke som jenter. De har ikke de rutinene, de oppsøker ikke lege før de virkelige symptomene kommer, og da er de ofte kommet langt i sykdomsforløpet. Med en slik screening vil det være mulig å fange opp disse mennene tidlig. Kvinnene kalles inn til alle overlever sykdommen, og jeg synes det er veldig bra at det nok en gang settes fokus på lindrende behandling og god palliativ pleie. Det skjer veldig mye bra, og veldig mye bra er planlagt, men det finnes også dessverre mangler. Når Helsetilsynet problematiserer overbehandlingen av langtkommen kreft der utfallet er gitt, er det en debatt som jeg mener ikke dreier seg om prioritering, men om livskvalitet og verdighet. Det er altså en diskusjon som faglig sett bør tas kontinuerlig. Det at helsepersonell har god kompetanse for den vanskelige samtalen, er viktig. Jeg mener at i debatten om palliativ pleie må vi ha fokus på livskvalitet, og vi må ha fokus på lindring. lindring. Derfor er lindrende enheter, godt utbygd hjemmesykepleie og sykehusavdelinger som trygghetsbaser veldig, veldig viktig. Det aller viktigste vi kan gjøre med tanke på kreftutvikling i framtiden er selvfølgelig det å prøve å forhindre at folk blir syke. Vi vet veldig mye om hvordan vi skal la være å bli syke, selv om vi ikke sitter med svarene på Røyking, kosthold og alkohol er noen av de kjente faktorene som bidrar til kreft. Det ikke å begynne å røyke, vet vi kan forhindre lungekreft. Lungekreft var altså en kreftform som var forbeholdt menn, men den er stadig økende blant kvinner. Det er fordi at kvinner nå har et røykemønster, mye mer likt det mennene hadde før. De starter tidligere, og de slutter senere. Derfor tror vi på det å ha forebyggende tiltak og det å sette inn gode informasjonsrutiner på ungdomsskole og i barneskole, men også det å bruke avgifter aktivt er noen av midlene for å hindre ungdom i å røyke. Pris og forbruk hører sammen. Forebygging er altså det aller beste, det viktigste og det letteste å gjøre noe med. Vi kan nevne mange andre saker som vi har fremmet i denne stortingsperioden, som tar for seg forebygging, og Samhandlingsreformen er jo én av dem. Der har vi mange gode og framtidsrettede tanker om hvordan vi skal forebygge. Men samtidig er jeg helt enig med forslagsstillerne i at vi må forske på nye metoder, vi må reparere,

Kreft er en folkesykdom som rammer om lag én av tre i løpet av livet. Dermed kan den ramme oss alle – den rammer noen som pasient, mange som pårørende, eller som bekjent av folk som blir kreftsyke. Den rammer selvfølgelig mest men den rammer også vilkårlig, helt ned til spedbarnsalderen. Behandlingstilbudet til kreftpasienter er på mange områder i verdensklasse. Det skal vi huske på å ta med oss, for det er mange gode behandlingstilbud. Men på andre områder avdekkes det ofte betydelig svikt. Dette, sammen med det at vi faktisk får mer kreft, det kommer til å øke, er hovedgrunnen til at vi har fremmet dette forslaget om en forsterket innsats mot kreft. Den forrige Bondevik-regjeringen, Bondevik II-regjeringen, etablerte en kreftstrategi for seks år siden. Men bare å videreføre den kreftstrategien som vi laget den gangen, er etter vår mening ikke tilstrekkelig. Derfor har vi 19 ulike forslag i dette dokumentet. dokumentet. I denne salen har vi av og til diskusjoner som ender opp slik: Men hvorfor gjorde dere ikke noe med dette da dere satt i regjering? Da har jeg lyst til å si at vi laget en strategi da, og vi ser at det trengs fornyelse. Politikken utvikler seg alltid, derfor disse nye forslagene. De 19 konkrete tiltakene skal bidra til tre ting: De skal sikre bedre kvalitet i diagnostikk og behandling slik at flere kan reddes, skal sikre at nye behandlingsformer utvikles og tas i bruk, og de skal bidra til forebygging av kreftforekomster. Alt dette er viktig. Og selvfølgelig er det viktig med en lindrende behandling i sluttfasen når vi vet at vi ikke kan gjøre mer. På dette området, som på ganske mange andre medisinske områder, har vi en rivende utvikling av nye behandlingsmetoder. Det gir pasientene nytt det gir oss nye muligheter til å kurere og redde flere som rammes av kreft. Av og til utfordrer dette oss med den prioriteringsdebatten vi har, for noen ganger kan det være dyrt i begynnelsen. Det er ikke gitt at alle nye behandlingsformer først og fremst skal ses på som en utgift, men heller som en investering i helse og livskvalitet. Ofte er det sånn at en ny behandling etter hvert blir mer og mer kostnadseffektiv, selv om den utprøvende fasen, startfasen, alltid er dyr. Jeg var i Memphis i begynnelsen av påsken i forbindelse med NATOs parlamentarikerforsamling. Blant det vi gjorde der, som ikke hadde noe som helst med sikkerhetspolitikk å gjøre, var å besøke et av verdens ledende barnekreftsykehus, St. Jude, som baserer hoveddelen av sin finansiering på innsamlede midler. 70 pst. av budsjettet kommer derfra en hel del fra forskningsmidler, nesten ingenting fra forsikringspenger. Hovedfokuset deres er å jobbe med de barnekreftformene der man ikke har gode nok behandlingsprotokoller, og hvor de lokale sykehusene ikke kan hjelpe. Det er rørende å være på slike institusjoner, fordi barn rører en mer enn kanskje mange andre grupper som er syke. Men jeg har også lyst til å si at altså i fjor inn over 700 millioner dollar for å drive det sykehuset pluss 20 avleggere i en del land i den tredje verden som driver med kreftbehandling. Det sier også noe om hvor sterk opplevelse folk har, at de vil gjøre noe med kreftsaken og få til behandling. Men sykehuset viser også til at veldig mye av den nye behandlingen de la frem, var kostnadseffektiv. De gjør det på nonprofit-nivå og legger alle protokoller ut. Det bidrar til å løfte det videre og bidrar også til å lage nye typer medisiner. Jeg synes det er viktig å ta dette med, for når vi skal diskutere

Høyre har gjort én prioritering. Vi er blant de partiene som har fått kjeft fordi vi ikke ville ha en tannhelsereform hvor alle skulle få billigere tannbehandling eller gratis tannbehandling etter fylte 67 år, fordi vi tror det vil redusere muligheten vår til å behandle de mest alvorlig syke. Innstillingen viser at det er bred politisk enighet om at vi skal ha en forsterket innsats mot kreft. Men det er ulike politiske syn på hvordan vi skal sikre bedre helsetjenester, og dette reflekteres også i innstillingen. Og så venter jeg ennå på den Men det er ulike politiske syn på hvordan vi skal sikre bedre helsetjenester, og dette reflekteres også i innstillingen. Og så venter jeg ennå på den saken hvor regjeringspartiene tør å gjøre noe annet enn bare å sende sakene til regjeringen for videre arbeid. Det kan jo være at det å vise vilje til å løfte noe snart burde bli et ønske fra stortingsflertallet. Det ideelle er selvfølgelig å forebygge kreft. Mange generelle leveregler gjør det mindre sannsynlig at hvor mye slike generelle folkehelsetiltak faktisk bidrar. Det andre som er viktig, er at det er mulig å finne ut om man er kreftsyk på et tidlig tidspunkt. Screening har en stor betydning. Masseundersøkelser kan være en viktig måte å oppdage kreft på tidligere og bidra til å redde langt flere. Det skaper selvfølgelig også dilemmaer knyttet til knappe helseressurser, at man bruker penger på mange friske, og at det kan være falske positive funn. Derfor er det viktig at vi har en god diskusjon om når vi skal innføre screening, men vi mener altså at tiden er inne for å gjennomføre screening på tarmkreft, som i dag er meget utbredt. 3 400 rammes hvert år, og 1 575 dør hvert år av tarmkreft i Norge. Vi vet at

Derfor har vi foreslått et pilotprosjekt. Jeg registrerer at Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten den 7. juni leverte inn en innstilling om iverksettelse av et screeningprogram for tarmkreft. Regjeringens svar har vært at de skal se nærmere på det. Vi forventer en fortgang i det arbeidet fra regjeringens side og at de kan presentere en konklusjon i budsjettforslaget til høsten. det forslaget som vi fremmet i mars, påpekte vi økende ventetider for diagnostikk og helsetjenester generelt. Bare i Oslo har ventetidene for offentlig finansiert undersøkelse ved lab- og røntgeninstitutt økt fra én til to uker i 2007 til opptil syv uker i 2009. Når folk får høre at de kanskje skal utredes for kreft, er det viktigste å få et svar på om de har kreft eller ikke. Den engstelsen og påkjenningen som det er å gå og vente i opptil syv uker for å få gjort de grunnleggende undersøkelsene, er skikkelig tøff. Det er en tøff beskjed å få, og det innebærer ikke minst betydelig fare for at kreft oppdages for sent, og at man derfor kan oppleve å dø av kreftformer som kunne ha vært behandlet. Jeg synes det sier ganske mye,

Helsetilsynet publiserte i mai i år en rapport om risikobildet av norsk kreftbehandling. Der betegnes forsinkelser i diagnostikk på ulike nivå som den største risikoen for at det skjer svikt som koster pasienter liv og helse. Det er ikke enkelttilfeller, men en systematisk svikt. Da må man gjøre noe med det. Men dette kommenterer altså ikke regjeringspartiene i denne innstillingen i det hele tatt. Ventetider er også et viktig tema. Jeg ble forbauset da jeg i julen kunne lese i Bergens Tidende at en av journalistene hadde ringt og spurt om hvor lang ventetid det var på kreftbehandling, for hun hadde jo oppdaget at det var ventetid på kreftbehandling. Svaret hun hadde fått hos Helsetilsynet, var at de ikke ville oppgi ventetider på kreftbehandling, fordi de ikke ville gi inntrykk av at man Virkeligheten forsvinner ikke av at man ikke offentliggjør det. Brukerne oppdager det. Derfor er det nødvendig å ha offentliggjøring av ventetidene, slik at pasienter får viktig og korrekt informasjon, som gir grunnlag for forbedring av tilbudet, og også gir grunnlag for at den valgfriheten vi har gitt når det gjelder behandling, faktisk har et reelt innhold. Jeg håper regjeringspartiene vil snu og støtte vårt forslag i denne saken, for det er én av de viktige tingene som kan bidra til bedre kreftbehandling. Jeg gjør et forsøk med dårlig stemme. Forslagene fra Høyre som behandles i dag, synes det å være brei enighet om – at behandling av kreft, diagnostisering, behandling, rehabilitering og ikke minst forskning skal gis høy prioritet. Jeg synes det er veldig positivt å kunne konstatere at stadig flere overlever kreftsykdom i dag

Men på den andre siden: Hyppigheten av kreft øker, flere får sykdommen, og en av årsakene er at vi blir stadig eldre, og at antall eldre i befolkningen øker. Det er fortsatt mange flaskehalser i behandlingskjeden som bidrar til at mange ikke får den behandlingen de trenger, tidsnok. Et av forslagene som vi behandler i dag, handler om forebygging. Det er viktig å understreke at det faktisk er mye en kan gjøre for å forebygge kreft. Vårt levesett, det vi spiser, mosjon, røyk og alkohol – alt dette påvirker mulighetene til å få kreft. Derfor er forebygging svært viktig, og derfor er tiltak bl.a. for å redusere røyking blant befolkningen veldig viktig. 6 700 av over 41 000 kreftdødsfall i 2003 kunne tilskrives røyking. Gratis skolefrukt er et annet tiltak. Frukt og grønt er viktig for å gjøre skolen til en god læringsarena og samtidig i høyeste grad også viktig i et kreftforebyggende perspektiv. Jeg registrerer at Den Norske Kreftforening mener og framhever nettopp skolefrukt som et viktig kreftforebyggende arbeid – å legge til rette for gode kostvaner hos barn. Samhandlingsreformen er en forebyggingsreform, og alle viktige kreftforebyggende tiltak må komme i forbindelse med gjennomføringen av reformen. Screening av tykktarmskreft vil også være effektiv forebygging. Det utredes nå i Helsedirektoratet om og hvordan dette skal kunne gjennomføres. Det vurderes i første omgang å starte forsøksprosjekter i noen fylker før vi eventuelt får det over hele landet. Jeg håper at konklusjonen blir at vi kan gjennomføre screening av tykktarmskreft i Norge så snart som mulig. Diagnostisering og rask oppfølging ved mistanke om kreft er viktig og avgjørende for om behandlingen i ettertid skal bli vellykket, om en skal kunne overleve. Det er også omtalt i et av forslagene, punkt IV. Det må det hele tiden være fokus på, og jeg er glad for at statsråden i brevet som også i oppdragsdokumentet til helseforetakene understreker at det skal treffes tiltak for å redusere ventetiden for behandling. Når det gjelder rask oppfølging ved mistanke om kreft, skal det ikke være ventetid. Mye kan gjøres ved en systematisk gjennomgang av pasientforløpet, med sikte på å få bort flaskehalsene. Som et eksempel kan jeg nevne at jeg på et møte ved Universitetssykehuset Nord-Norge fikk en orientering om gjennomgåing av pasientforløpet for pasienter med lungekreft. lungekreft. Opprinnelig var tiden fra den første mistanke, ventetid mellom fastlege og alle undersøkelser til røntgen, CT-røntgen, MR og innskriving på sykehus til operasjon ni uker. Det er altfor lang tid for behandling av lungekreft. Sykehuset klarte å redusere tiden til under det halve ved å gjøre dette mer effektivt. effektivt. Det forteller at det er mulig å oppnå bedre kvalitet for kreftpasienter ved bedre organisering og systematisk gjennomgang av pasientforløpene uten at det koster mer penger, når man gjør dette systematisk. Forslagsstillerne har fremmet konkrete forslag for å forbedre kreftbehandlingen, og jeg er glad for å kunne konstatere at det er brei enighet om å støtte de aller fleste forslagene. På fem minutter er det ikke mye en får tid til å omtale, men jeg har satt fokus på to av de områdene som jeg mener er særdeles viktige i forbindelse med kreftbehandling. Det er det forebyggende – kunne bidra til at flest mulig ikke får kreft – og det er diagnostiseringen – tidlig innsats og komme raskt i gang med behandlingen, noe som kan bidra til at man får en vellykket behandling og overlever. Kreft er

Bak tala står enkeltmenneske som opplever at livet deira tek ein annan veg enn forventa når dei får kreftdiagnosen. Også pårørande blir sterkt råka. For samfunnet byr kreftauken på store utfordringar når det gjeld kapasitet, kvalitet og organisering av helsetenesta. I Nasjonal strategi for kreftområdet 2006–2009 var målet nettopp å visa korleis ein skal møta utfordringane innan kreftområdet på ein offensiv og heilskapleg måte. Kreftstrategien, som no er forlengd med to år, til 2011, inneheld nasjonale målsetjingar og tiltak for førebyggjande arbeid, screeningtilbod, diagnostikk, behandling, rehabilitering og lindrande behandling. Ein viktig del av strategien er at det kreftførebyggjande arbeidet skal bidra til å redusera sosiale ulikheiter på helseområdet. Vi har nettopp fått informasjon om at dei sosiale helseforskjellane i Noreg er aukande. Det er Satsing på førebygging av kreftsjukdom må derfor fortsetja, under dette tiltak mot tobakk, sunt kosthald, strålevern og auka fysisk aktivitet. Det må leggjast til rette for auka kapasitet i behandlingstilbodet som følgje av ein auke i talet på krefttilfelle. Kvaliteten i kreftomsorga må styrkjast gjennom vidareutvikling av kvalitetsregistra og auka forskingsinnsats. Det er behov for nasjonale standardiseringar av diagnostikk og behandling. Prosessar i retning av auka funksjonsdeling bør fortsetja når dokumentert kunnskap viser at volum har betyding for kvalitet. Det er framleis eit utbetringspotensial når det gjeld rehabiliteringtilbod etter kreftbehandling og for lindrande behandling av pasientar som ikkje kan lækjast. Det er behov for å styrkja utdanning, rekruttering og bemanning. Representantforslaget frå Høgre om forsterka innsats mot kreft inneheld mange konkrete forslag om desse emna. Det er positivt, og det er brei einigheit om mange forslag. Det eg saknar i representantforslaget, er at ein er like konkret og tydeleg på førebygging. Vi veit at mellom 30 og 50 pst. av krefttilfella kan førebyggjast. Gode førebyggingstiltak er t.d. å lovfesta frukt og grønt i skulen, som sikrar alle barn og unge eit betre kosthald. Kvifor er Høgre motstandar av det? Kosthald har vist seg å ha betydning for fleire sjukdomar, også kreft. Å ha reklamerestriksjonar eller forbod mot reklame for usunn mat retta mot barn er eit anna tiltak i denne samanhengen. Å bruka avgiftspolitikken til å gjera usunne matvarer dyrare og sunne varer, slik som frukt og grønt, billegare er eit Tobakk er ein kjend risikofaktor for kreft. Det å innføra restriktive tiltak mot tobakk er eit stort potensial for helsegevinst. Det er òg aukande merksemd om samanhengen mellom alkohol og kreft i fagmiljøa internasjonalt, så ein restriktiv alkoholpolitikk er eit kreftførebyggjande tiltak. Hudkreft er òg sterkt aukande og blant dei hyppigaste kreftformene hos unge vaksne i Noreg. Å sjå på tiltak mot den store auken i solariumbruk hos ungdom er derfor eit anna konkret kreftførebyggjande tiltak. Det blir i forbindelse med denne saka fremja heile 19 forskjellige punkt for ein forsterka kreftinnsats. Mi vurdering er at mange av forslaga er å slå inn opne dører. Dette er forslag om tiltak som allereie er vedtekne, eller det er på gang eit arbeid med dei, slik som statsråden har gjort greie for i sitt brev til komiteen Ein del av forslaga er det politisk ueinigheit om, slik representanten Sonja Mandt gjorde greie for i sitt innlegg. Når det gjeld forslaget om å publisera informasjon om ventetider for kreftbehandling, er det sjølvsagt slik at ventelister skal vi ikkje ha for kreftutgreiing og behandling. Eg vil gjerne gjenta at det er uakseptabelt at folk må venta på diagnostikk og behandling for Men når vi veit at det like fullt er slik, må vi få fram data, slik at vi får vita om dette og lærer av det. Derfor er eg glad for at statsråden har varsla at historiske ventelister skal offentleggjerast. Kul i brystet, diffus smerte i magen og hodepine er

Flere av forslagene her i dag er til forveksling lik risikopunktene i Helsetilsynets rapport om «Risikobildet av norsk kreftbehandling» som nylig ble fremlagt. Det konkluderes med at risikonivået i norsk kreftbehandling er for høyt. Hvis risikonivået reduseres, vil det føre til raskere diagnostikk, færre alvorlige komplikasjoner og bedre livskvalitet for mange pasienter. Når det gjelder å få stilt en

brukes i kvalitetsarbeidet på sykehusene. Et annet risikoområde i rapporten er lindrende behandling, særlig når kommunehelsetjenesten skal overta ansvaret for pasienten etter opphold på sykehus. Svikt i kompetanseoverføring mellom nivåene i helsetjenesten er særlig fremtredende. I debatten om prioriteringer i helsetjenesten er også overbehandling av langtkomne kreftpasienter et tema. Men jeg er også enig med representanten Sonja Mandt om god faglig behandling, for overbehandling kan fortrenge god lindrende behandling. Kristelig Folkeparti har tidligere foreslått en plan for livshjelp, med en rekke tiltak for å styrke tilbudet om lindrende behandling i livets sluttfase, bl.a. for kreftpasienter. Et av forslagene som er til behandling her i dag, omhandler sammenhengen og kvalitet. Det er viktig for kirurger å foreta mange liknende operasjoner. De blir tryggere og flinkere jo flere de opererer. Statsråden viser i sitt svar til komiteen på dette punktet til arbeidet som gjøres i alle de fire regionale helseforetakene. Det er jo bra. Når likevel Helsetilsynet trekker frem lave volumer på kreftkirurgi blant de viktigste risikofaktorene,

Helsetilsynet. Det er merkelig at kreftbehandling på dette punktet skal skilles fra øvrig behandling som legges ut på nettstedet Fritt sykehusvalg, som også representanten Solberg var inne på. Den medisinske utviklingen går raskt, og nye behandlingsmetoder og medisiner utvikles. Likevel foregår det i Norge relativt lite utprøvende behandling – det at kreftbehandling prøves ut på mennesker for første gang. er knyttet etiske utfordringer til utprøvende behandling fordi noen kan være i en så fortvilet situasjon at de kanskje ikke forstår hva behandlingen innebærer, og har for store forhåpninger til hva den kan resultere i. Informasjon knyttet til vurderingen om man skal delta eller ikke, bør derfor styrkes, bl.a. gjennom systemer for informasjon og veiledning. Debatten i dag viser at det er behov for et kontinuerlig kvalitetsarbeid

Effektive tiltak mot tobakk er den enkeltsatsingen som vil ha størst effekt på forekomsten av kreft. Departementet vil nå starte arbeidet med en ny nasjonal tobakksstrategi for perioden 2011–2015. Pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten med mistanke om kreft, skal tas raskt inn til vurdering og utredning. I oppdragsdokumentet for 2010 står det at de regionale helseforetakene skal iverksette tiltak for å redusere ventetidene til utredning, diagnostisering og behandling. Komiteen peker på behovet for å styrke tilbudet om lindrende behandling, spesielt lindrende behandling til barn. Helseforetakene skal ha gode tilbud om palliativ pleie og omsorg. Helsedirektoratet skal gjennomgå de nasjonale retningslinjene for palliativ behandling og vurdere om barns behov Som flere har vært inne på her i dag, har Helsetilsynet nylig lagt fram en risikorapport om kreft. I den forbindelse er det kommet ønske om å offentliggjøre ventetider for kreftbehandling. Tiden er nå moden for å offentliggjøre ventetidstall fra Norsk pasientregister, sånn at pasientene kan se utviklingen i ventetider. Med nytt, personidentifiserbart register vil Helsedirektoratet kunne publisere historiske ventetider på kreftområdet, men arbeidet vil ta noe tid. Rapporten konkluderer med at risikonivået i norsk kreftbehandling er for høyt, bl.a. når det gjelder utredningslogistikk – noe som kan bety at diagnostiseringen forsinkes. Det er grunn til å ta Helsetilsynets analyse alvorlig og bruke den i det videre arbeidet med å bedre kreftbehandlingen. I likhet med komiteen er regjeringen opptatt av god kvalitet i De regionale helseforetakene har derfor fått i oppdrag å gjennomgå hvilke enheter som utfører kreftkirurgi innenfor ulike kreftformer. Per i dag er det utarbeidet ni nasjonale handlingsprogrammer med behandlingsretningslinjer for kreftbehandling, og det er planlagt åtte nye i Siden 2003 har vi hatt et nasjonalt system for kvalitetsindikatorer i spesialisthelsetjenesten. Disse er offentlige og altså tilgjengelige for pasienter og helsepersonell. Det arbeides kontinuerlig med å videreutvikle disse. Helseregisterprosjektet, med etablering og modernisering av sentrale helseregistre og nasjonale, medisinske kvalitetsregistre, vil på sikt gi oss bedre data til å måle kvalitet, som grunnlag for kvalitetsforbedring, forskning og utvikling av kvalitetsindikatorer. Det har nylig vært reist en prioriteringsdebatt. Denne debatten er svært viktig. Men det er viktig å presisere at folk skal være trygge på at de får gode behandlingstilbud også i tiden framover. Vi skal fortsatt være blant de beste i verden når det gjelder helsetjenester, men likevel må vi prioritere. Helsedirektoratet har laget prioriteringsveiledere for 30 fagområder. Prioriteringskriterier er viktig, men enkle kriterier kan ikke dekke alle situasjoner. Derfor må vi legge mer vekt på åpne prioriteringer gjennom åpne prosesser som skal sikre lik vurdering og lik behandling av pasienter. Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten er ment å være en sånn arena for åpne diskusjoner.

Statsråden har i sitt svar til komiteen opplyst at screening for tykk- og endetarmskreft skulle behandles i Nasjonalt råd i juni. Jeg kan opplyse om at rådet utsatte behandlingen til september. Det blir replikkordskifte. Det virker som vi er

betydelig. Vi hører her fra flere av posisjonspartiene, også fra representanten Geir-Ketil Hansen, at det er stor enighet om det som står i saken, og at området har høy prioritet. Da må spørsmålet bli: Når skal interessen og denne høye prioriteten gi handlekraft når man ikke vil støtte et eneste forslag? Er statsråden eller andre overhodet ikke enig i Når skal interessen og denne høye prioriteten gi handlekraft når man ikke vil støtte et eneste forslag? Er statsråden eller andre overhodet ikke enig i noen av forslagene, og hva må til for at de rød-grønne skal støtte ett av totalt 19 forslag for å bedre kreftbehandlingen? Gjennom den strategien for kreftområdet som ble lagt fram i 2006, la regjeringen fram de langsiktige linjene for vårt fokus i kreftbehandlingen. Så er det hvert eneste år gjennom statsbudsjettet og i andre sammenhenger gjort rede for de prioriteringene som regjeringen gjør. Slik jeg forstår de mange forslagene som ligger i den rapporten, og det forslaget som er reist i denne salen, er de aller fleste inn av det arbeidet som pågår i regjeringen. Vi vil fortsatt ha et stort fokus på å ha bedre behandlingsmetodikk innenfor kreftområdet, sørge for at vi får mer kunnskap gjennom de nyetablerte helseregistrene, og, ikke minst tror jeg det er viktig, som flere har pekt på, at vi tar inn over oss den risiko- og sårbarhetsanalysen som Helsetilsynet har gjort, for å bidra til å bedre kreftbehandlingen. Det vil være regjeringens fokus i tiden framover.

Samtidig vil heller ikke regjeringen at pasientene skal få lov til å vite hva som er den forventede ventetiden knyttet opp til både diagnostisering og behandling av kreft. Hva er årsaken til at regjeringen kun vil offentliggjøre historiske tall knyttet til ventetider på dette området, men ikke la pasienten få vite hva som er den forventede ventetiden, selv om alle sammen vet at det faktisk er en forventet ventetid her, som det er mulig å publisere her og nå, slik som man gjør for andre sykdommer?

vil jo da de historiske dataene kunne gi oss svar på om vi lykkes med det. Lykkes vi ikke med det, må vi sette inn tiltak for å få behandlingen i gang med en gang, istedenfor å vente på at man får en rapport for å kunne se hvor lang ventetiden er i tiden framover. Jeg tror regjeringens hovedprioritering vil være å unngå at det blir ventetider innenfor kreftbehandling. Statsråden var inne på forebygging og nevnte også da Samhandlingsreformen. Min bekymring før vi får en samhandlingsreform, er at vi nå ser at sykehusene og Statsråden var inne på forebygging og nevnte også da Samhandlingsreformen. Min bekymring før vi får en samhandlingsreform, er at vi nå ser at sykehusene og spesialisthelsetjenesten avvikler veldig mange av tilbudene sine. De avvikler hele avdelinger, de reduserer antall senger og skriver pasienter ut tidligere. På mange måter står kommunene i en situasjon der de må overta store deler av spesialisthelsetjenesten. Og de får formidable oppgaver. Hvordan tenker statsråden og regjeringen at kommunene skal klare å få en offensiv når det gjelder forebygging også av kreft, når de ikke får avklaring verken av ansvar, oppgavefordeling eller finansiering før det kanskje har gått enda et par år? Det er en enorm utfordring vi står

sykehus og kommuner, og jeg tror det bare er langs de linjene man kan få til godt samarbeid mellom kommuner og sykehus. I enkelte kommuner er det tatt store skritt for å møte noen av de utfordringene som vi har pekt på i Samhandlingsreformen, og kommunene har til dels fått styrket sin økonomi for å kunne være med på å bidra også på

som på en veldig god måte illustrerer vår idé for utvikling av en fellesfinansiert helsetjeneste. Mannen skrev: «Jeg blir 86 år i morgen og er frisk og rask – takket være fire titanledd fra Diakonhjemmet og en fantastisk ny linse fra Ullevål. Jeg tror bare høyre ben har kostet staten ca. 800 000 kr, så takk for det! Går nå uten stokk og nyter livet med 11 barnebarn og ett oldebarn.»

Det er et kjennetegn ved det norske samfunnet at renholderen og direktøren blir behandlet på samme sykehus. En slik politisk utvikling har vært villet. Dette er og blir Arbeiderpartiets mål også for framtiden. Så er vi inderlig klar over at det ikke alene nytter å vise til at vi har et av verdens beste helsevesen. Vi må hele veien være åpne for å organisere bedre og finne nye løsninger når det trengs. Det er nettopp også dette som lå til grunn for Samhandlingsreformen. Kritiske røster i helsesektoren er både bra og nødvendig, fordi det faktisk er mye som både kan og bør forbedres, men også fordi det viser at folk bryr seg om vårt felles helsevesen. Vi må bruke klokskap og våre menneskelige og økonomiske ressurser, slik at vi både forebygger helseplager bedre enn i dag, og slik at vi styrker helsetilbudene og skaper den maksimalt mulige trygghet for folk landet rundt. Vi må ha moderne helsetjenester som oppleves tilgjengelige, og der absolutt alle blir sett og respektert. Så vil det hele tiden være behov for å stoppe opp og forsikre oss om at både helsevesenet og politikere faktisk bidrar til at de sosiale forskjellene i helsevesenet reduseres. Det bør vi makte å få til uten at det skapes unødvendig utrygghet blant så vel pasienter som befolkningen for øvrig. Her har selvfølgelig vi som politikere, men ikke minst helsemyndighetene et særskilt ansvar. Når Høyre i dag har satt fokus på kreftsykdom, gir det oss mulighet til å drøfte et tema som opptar svært mange. Det gir både regjering, fagmyndigheter og storting mulighet til å synliggjøre utviklingstrekk på området og etterse hva som er de faglige og politiske strategiene også for framtiden. Det er bra. Kreft er en alvorlig sykdom som rammer stadig flere. Kreftpasienter og andre alvorlig syke mennesker skal ha rask og god behandling. Den siste tidens debatt om prioritering og bruk av kostbar og avansert behandling er en del av hva dagens moderne helsevesen står oppe i. Etiske dilemmaer er en del av det samme. samme. Jeg synes det er veldig viktig og riktig at helseministeren med all mulig tydelighet har avvist at en «maksimalprisdiskusjon» knyttet opp til enkeltpasienter skal være førende i en slik debatt. Av og til må det gjøres vanskelige avveininger, men det overordnede bildet er likevel at det knapt finnes noe sted i verden der du er sikret forsvarlig behandling i samme grad som i Norge. Og vår ambisjon må være at det skal være slik også i framtiden at vi i Norge skal være i front når det gjelder å ta i bruk nye behandlingsmetoder og muligheter, og at du får god behandling uansett hva din økonomiske og sosiale status er.

På samme måte som tuberkulose, eller tæring som det het på folkemunne, rammet mange mennesker for rundt hundre år siden og rev bort folk i sin beste alder, er vel kreft vår tids mest skremmende sykdom. Hører vi om nære venner eller slektninger som har fått kreft, vekkes vår empati, samtidig som vi vel har et indre skrekkbilde av smerter, lidelse og død. Kreft er en sykdom som rammer blindt. Om en står høyt eller lavt i samfunnet, slipper en ikke unna. Selv Forskningen har brakt oss nærmere svarene på årsakene til kreft. Vi vet langt mer nå enn tidligere, men ennå kan vi vel ikke si at vi har løst kreftgåten. Ved hjelp av BCG-vaksine og pirquetprøve fikk vi kontroll på tuberkulosen, slik at den en periode nærmest var utryddet her i landet. Men økt globalisering og migrasjon har gjort at vi igjen må være på vakt. Det er vel lite som per i dag tyder på at vi står overfor samme type løsning når det gjelder kreft. Årsakene til kreft er mange, og både arveanlegg og ulike miljøfaktorer synes å spille inn når det oppstår ukontrollert cellevekst eller celledeling. Om det dreier seg om en godartet svulst som stopper å vokse etter en stund, eller en ondartet som fortsetter å vokse, framstår som en del av livets lotteri. Vi vet at ondartete kreftceller kan transporteres gjennom blodbanene og lymfen og på den måten spre seg og danne nye svulster, eller metastaser som Cellegift, hormonbehandling, strålebehandling og operasjon er de vanligste behandlingsmetoder for kreft, og prognosene er best jo tidligere kreften oppdages. Hver tredje nordmann vil få diagnosen kreft en eller annen gang i livsløpet. Og rundt 26 000 personer legger årlig ut på det som Kreftforeningen kaller for kreftreisen, en reise som nærmest snur livssituasjonen på hodet, og som får innvirkning på familieliv, jobb, skole og økonomi. Dette viktige innspillet Kreftforeningen har gitt i forbindelse med behandlingen av Samhandlingsreformen, må bli tatt på største alvor inn i det videre arbeidet med å få på plass et bedre behandlingsløp og en nødvendig samhandling i vårt helsevesen. Heftet er spekket med faktaopplysninger, pasienthistorier og forslag til en rekke forbedringspunkter, som vil komme langt flere enn kreftpasienter til gode. Kreftpasientene og deres nærmeste familie og pårørende kommer i kontakt med store og ulike deler av vårt offentlige velferdssystem. Det må en gjennomgripende prosess til for å sette enkeltmennesket i fokus – alt fra holdningsendringer på det medmenneskelige plan til endringer i behandlingskjeder og finansieringssystem. I dag er vi nok vitne til at mange opplever en stor grad av ansvarsfraskrivelse og et system som gjør at syke mennesker og deres pårørende kan oppleve å være kasteballer i systemet. Men det gjøres selvsagt også mye godt og banebrytende arbeid. Det som er viktig, er å understreke at vi alle er unike individer. Vi er ikke bare et nummer i en rekke. Vi er ikke bare en diagnose. Vi er ikke bare et bryst, en kjertel eller et sykt organ. Vi er mennesker med tanker og følelser, og vi har alle familie og venner som blir berørt når sykdommen rammer. Jeg har ved flere anledninger trukket fram hospicefilosofien med sitt holistiske menneskesyn. Vi vet at det er ideologiske motforestillinger til etablering og drift av slike enheter, men jeg har et håp om at vi alle kunne være enige om at selve filosofien som ligger bak, nemlig tilnærmingen til hele mennesket, bør være overordnet. Det er etter min oppfatning først når det er pasienten og pasientens beste som er i fokus, at tverrfaglighet og samhandling får et reelt innhold. Det handler om livskvalitet også når en er syk – og kanskje særlig da. Opposisjonen fremmer i denne saken flere viktige forslag for å forsterke innsatsen mot kreft. Jeg vil trekke fram et par viktige forhold. Da vi i Fremskrittspartiet besøkte MD Anderson, var det blant mye annet positivt deres tilnærming til alternativ og komplementær behandling som slo oss. Vi vet at omtrent halvparten av kreftpasientene henvender seg til slik behandling. Det er viktig i forhold til pasientens opplevde livskvalitet. Det burde derfor inngå som en viktig del av helsepersonells veiledningsplikt overfor pasient og pårørende å kunne informere på en god måte om ulike metoder. Det er derfor behov for å styrke Så sa jeg innledningsvis at vi lever lenger, og at det betyr at flere risikerer å få kreft. Det er derfor skremmende når vi mangler forskningsdata om eldre som får kreft. 85 pst. av alle krefttilfeller rammer menn over 55 år og 76 pst. hos kvinner. At eldre utelukkes fra forskningsprotokoller, fører til at vi vet altfor lite om hvordan eldre tåler behandling Vi vet f.eks. at mange menn dør med kreft i prostata, men de dør ikke nødvendigvis av kreft i prostata. Her må det vesentlige endringer til, slik at det er mulig å gjøre prioriteringer på et evidensbasert grunnlag og ikke ut fra en aldersgrense. Vi trenger en forsterket innsats mot kreft, og forslagene som fremmes her i dag, er gode i så måte. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.

det ikke som om en slår inn åpne dører, men at en faktisk tar opp helt vesentlige, nye problemstillinger, som en forventer å få en politisk avklaring på. Vi er glad for at vi har fått støtte fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti til mange av disse forslagene. På noen områder har komiteen og forslaget beveget politikken allerede.

Så har det også skjedd en positiv utvikling gjennom den merknaden som er om hospice, der en har opplevd tidligere at det har vært en klar ideologisk forskjell, der de rød-grønne partiene kun har snakket om lindrende behandling internt i helsevesenet, men nå endelig er med på en merknad som også påpeker at hospice kan være et godt alternativ utenfor det ordinære helsesystemet, og det er veldig positivt. Det hadde vært interessant å få statsrådens orientering om hva som er statusen nå knyttet til arbeidet med å sikre dataene i Kreftregisteret – altså de eksisterende dataene i Kreftregisteret, spesielt i forhold til livmorhalskreftregisteret – for fremtiden, i forhold til hvilke muligheter det er innenfor dagens lovverk til å ta vare på det. Helga Pedersen trakk fram et skremmebilde knyttet til et privatøkonomisk styrt helsevesen. En må reise langt for å finne det skremmebildet, for det finnes ikke – i hvert fall ikke som jeg kjenner til – noe parti i Norge som går inn for denne modellen. Når en da i samme setning nærmest framstiller det norske systemet som et ufeilbarlig system, så med den tidligere arbeiderpartistatsråden Karita Bekkemellem, som måtte kjøpe private tjenester for å få diagnostisering innenfor dette området. Det er det som skjer. Denne regjeringen er ansvarlig for at en i større og større grad får et klassedelt helsevesen i Norge, der de som har god økonomi, kjøper seg ut av lengre og lengre offentlige køer.
Neste taler er Lars Peder Brekk. Han er foreløpig siste inntegnede taler.

Men Helsetilsynet har de siste årene kommet med ganske mange alarmerende rapporter. La meg bare få lov å presisere noen, slik at det ikke skal være tvil om fra min side – og også skal være sagt i denne sal – at selv om mye er bra, er det faktisk mange henvendelser som kommer fra ulike grupper pasienter, La oss ta rus, hvor ventetiden har økt drastisk, med over 4 000 i kø. Det finnes nesten ingen helhetlig behandling, sier rusmisbrukerne, de rusavhengige, selv. Psykisk helse: Vi ligger på topp når det gjelder tvangsbehandling i Norge i forhold til andre land. I disse dager stenger man terapibassenger og fysioterapi poliklinisk på en rekke sykehus. Fysioterapitjenestene har fått en ny finansieringsordning initiert av regjeringen, som nå har ført til lange ventelister for kronikere. Frivillige helseinstitusjoner, også innen barnevernet, er på vei ut. Hele tolv institusjoner ble nedlagt i fjor, og vi vet ikke om det blir enda flere i år. Det er opprør i Sogn og Fjordane for tiden, fordi man snakker om å legge ned både fødetilbud, akuttilbud og til og med lokalsykehus. store problemer knyttet til feilbehandling, med uheldige hendelser på sykehusene våre. Det er flere saker som nå ligger til behandling i komiteen på dette området. Trygghet er viktig for pasientene, men det er viktig for alle, absolutt alle. Og for alle disse gruppene som tar kontakt med stortingsrepresentanter – vi er tross alt ombud for disse – er det ikke slik at vi har verdens beste helsevesen på alle områder, det må jeg bare påpeke. Jeg føler at det har vi ikke, selv om mye er bra og de ansatte gjør en formidabel innsats. Når det gjelder kreft, har jo regjeringen hatt en kreftstrategi tidligere, gjelder kreft, har jo regjeringen hatt en kreftstrategi tidligere, og det er ingen ringere enn Kreftforeningen som gang etter gang har etterlyst gjennomføringen av kreftstrategien fra regjeringen. La oss nå ikke få en ny kreftstrategi som blir fine ord på papiret. Vi trenger faktisk å ha en rekkefølge på tiltak, at de lar seg gjennomføre, og at de blir

Men enda verre: Antall personer som kjøper seg ut av helsekøen, har økt med 140 pst. fra 2006 til 2009. Regjeringens politikk har vært svært effektiv i forhold til å skape et todelt helsesamfunn. Det blir derfor noe underlig å høre Helga Pedersen advare mot et helsesystem som hun selv har vært med på å skape, også her til
Rigmor Aasrud,

Så vil jeg også si at helseministeren nå jobber med håndteringen av situasjonen, og har hatt kontakt med Datatilsynet. For min egen del vil jeg som ansvarlig for Datatilsynet si at det er viktig når vi oppbevarer personopplysninger, at man følger de regler som er lagt. Det tror jeg er en grunnleggende forutsetning for at det skal være tillit til at systemene våre skal oppbevare store mengder med data. Men så er det også bestandig sånn at når du jobber med personvern, er du nødt til å vurdere forskjellige samfunnshensyn opp mot hverandre. Jeg håper at den dialogen som er mellom helseministeren, Helsedepartementet og Datatilsynet gjør at det går an å finne løsninger i den saken som bidrar til at vi kan nyttiggjøre oss de dataene som er samlet inn, så vi fortsatt kan ha en god og aktiv kreftforskning i Norge, til beste for pasientene.

få systemene til å snakke bedre sammen er jo noe av den logistikken som også Helsetilsynet etterlyser. Så det er det veldig viktig at det først og fremst tas tak i og blir ryddet opp i. Så har jeg lyst til også å nevne det som representanten Per Arne Olsen snakket om, stamcelleforskningen. Det er veldig viktig, og det fikk jeg ikke med i mitt innlegg. Men det er klart at forskning, særlig når det gjelder stamceller, er viktig. Og så har jeg lyst til å ta opp det med det todelte helsesystemet, som kommer nå på tampen av debatten. Vår hovedsak er at vi vil ha et offentlig, godt helsevesen og bekjempe sosiale forskjeller. Så har vi private tilbydere, som vi bruker vår ideologi er et godt, offentlig helsevesen. Mange kjøper forsikringer, som det ble nevnt her, men det er også veldig mange bedrifter som kjøper for sine ansatte. Det er ikke så mange enkeltpersoner som det høres ut som, det er veldig mange bedrifter. Utfordringen er selvfølgelig at hvis vi ikke får det gode, offentlige helsevesenet som vi hver eneste dag kjemper for å få til,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

anmodet Helsetilsynet om å vurdere om det foreligger brudd på helsepersonelloven, i dag ikke er å anse som part i saken, og dermed verken får innsyn i sakens dokumenter eller har anledning til å påklage vedtaket fra Helsetilsynet. Det er viktig at alle sider ved pasientsikkerhet løftes fram, slik at vi helhetlig kan bedre pasientsikkerheten og spare mange liv og unngå mye lidelse. Jeg vil innledningsvis understreke at en samlet komité mener at arbeidet for bedre pasientsikkerhet er et stort og viktig helsepolitisk område og skal prioriteres. Komiteen har hatt åpen høring, hvor Funksjonshemmedes

En samlet komité legger vekt på at spørsmålet om pasientens partsstilling i slike saker bl.a. må vurderes i forhold til allmenn rettsoppfatning, rettssikkerhet, tilliten til helsetjenesten, beskyttelse av taushetsbelagt informasjon, personvern, rettssikkerhetsaspekter for helsepersonell og riktig ressursbruk. Komiteen viser til brev fra helse- og omsorgsministeren av 12. mai 2010 og er glad for understrekningen av at pasienter og pårørende skal bli hørt og tatt på alvor. Komiteen merker seg at statsråden har gitt Statens Helsetilsyn i oppdrag å opprette en utrykningsgruppe for å styrke den tilsynsmessige gjennomgangen når det har skjedd alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten. En samlet komité mener det bør nedsettes en arbeidsgruppe som gjennomgår praktiseringen av dagens regelverk, herunder lovbestemt klage- og uttalerett og større mulighet for innsyn i dokumenter. Komiteen mener grep som bedrer pasientsikkerheten, er viktig og ber om at en gjennomgang av praktisering av dagens regelverk gis prioritet. Helsetjenesten er til for å helbrede, lindre og trøste. Til tross for dette er det for mange som erfarer uønskede hendelser, mange som utsettes for smerter, for varige funksjonstap, og det er mange som dør. Derfor er dette en stor sak for helsetjenesten, og en stor helsepolitisk sak. Kunnskapsgrunnlaget om uønskede hendelser i norsk helsetjeneste er ikke godt nok. Vi har ikke gode tall fra Norge om skader og dødsfall som følge av helsetjenestens ytelser. OECD har studert uunngåelige dødsfall i helsetjenestene og fant at ca. 5 000 dødsfall i norsk helsetjeneste kan tilhøre denne kategori. Vi vet altså ikke nøyaktig hvor mange uheldige hendelser som skjer i norsk helsetjeneste, men vi vet at det er mange. Vi vet ikke hvor mange som dør, men vi vet at det er mange. Minst halvparten av de uheldige hendelsene kan forebygges. Da må vi bruke tilgjengelig kunnskap og forskning for å endre dette. Handling i pasientsikkerhetsarbeidet vil kunne redde mange tusen liv de nærmeste årene. Jeg ser fram til bredest mulig samarbeid

Som pasient er man ikke lenger en brikke i hendene på spesialistene, men har klare rettigheter via pasientrettighetsloven til å bli grundig informert, kunne få fornyet vurdering og på kvalifisert grunnlag kunne gi sitt samtykke til behandling. Dette følges også opp av forskrifter og rundskriv som understreker brukermedvirkning og selvbestemmelse som rettigheter på system- og individnivå. Retten til individuell plan ble også nedfelt i loven etter hvert. I fjor trådte endringen for personer som mangler samtykkekompetanse, og som motsetter seg nødvendig helsehjelp, i kraft. Loven stiller heldigvis krav om at tillitskapende tiltak må være prøvd før en går til bruk av tvang og makt. Dette er selvsagt en vesentlig utfordring med de effektiviseringskravene helsevesenet står overfor i dag, og med et stort antall pleiepersonell i små brøkstillinger. Tillitskapende tiltak fordrer gradvis tilnærming og at pasienten føler seg trygg på at det som skjer, er oversiktlig og gjenkjennbart, og på den måten kan motstanden mot behandling reduseres. Fordeling av helsetjenester foregår i et samspill mellom politisk og økonomisk styring, medisinsk skjønn og juridisk kontroll. Rettighetsfesting endrer dynamikken i dette samspillet. Den juridiske kontrollen blir forsterket gjennom klagesaker og mulige saker for domstolene. Personer med rettigheter gjennom lovverket vil måtte prioriteres foran pasienter som også kan hjelpes, og det er vel nettopp dette som er en av hensiktene med at visse pasienter eller pasientgrupper gis et rettskrav på tjenester. Men hvor står så pasientrettighetene i dag? Vi er alle kjent med ventelistesaken, men den er jo ikke i nærheten av å forklare hvorfor kun 87 av totalt 10 951 fristbrudd ble meldt til HELFO i andre tertial 2009. Det vil si at knapt åtte promille av dem som ikke fikk behandling innenfor fristen, meldte fra. Hvilke årsakssammenhenger er det egentlig her? Stortinget er den lovgivende forsamling og bevilgende myndighet, og det heter seg at vi i liten grad skal blande oss inn i enkeltsaker. Til tross for det er det vel ofte enkeltmenneskers skjebner som tar mye av vår tid i hverdagen, og som gjør oss både rørt, opprørt, glad eller trist. Det er en del av ombudsrollen. Jeg har to saker som jeg vil trekke fram, som belyser viktigheten av at pasientenes rettssikkerhet må styrkes. Den første gjelder en mann som led av periodontitt, og ut fra de opplysninger jeg har, ikke mottok en forsvarlig behandling av en tannlege som rusproblemer. Tannlegen brente alle journaler og rømte fra landet. Tilbake satt en tannløs pasient. Han fikk på det tidspunkt oppgitt fra myndighetene at tannlegen var privatpraktiserende, så han måtte gå til sivilt søksmål med henblikk på eventuell erstatningssak. Pasienten var i kontakt med fylkeskommune, fylkeslege, departement, direktorat, Pasientskadenemnda og sivilombudsmann uten at han kunne få hjelp. Nå, åtte år etter at han ble henvist til denne tannlegen, og fire år etter at tannlegen forlot landet, innrømmer fylkeskommunen at tannlegen hadde et avtaleforhold med fylket. Pasienten forsøker da å reise saken igjen, men får opplyst at saken er foreldet. Jeg stilte skriftlig spørsmål til statsråden den 25. mars i år om dette forholdet, og jeg venter fortsatt på svar. En annen tragisk historie er et møte fremskrittspartifraksjonen hadde med et foreldrepar med en gutt som hadde fått en hjerneskade, trolig som følge av en operasjon. Jeg inviterte medlemmene i helse- og omsorgskomiteen til dette møtet den 8. juni, men det var bare Fremskrittspartiet som hadde anledning til å møte dem. Her har vi da to foreldre som leverer fra seg en tilsynelatende frisk gutt som har problemer med at han hører dårlig på grunn av en Allerede dagen etter operasjonen merker foreldrene at noe er galt, men de får ikke den hjelpen de opplever at gutten behøver. Åtte måneder etter operasjonen ber foreldrene om at det blir tatt MR av guttens hode, fordi de mistenker at han er påført en hjerneskade under operasjonen. Saken havner i Pasientskadenemnda, som gir spesialisten et begrenset mandat, slik at gutten aldri blir undersøkt. Foreldrene går mange runder med sykehuset, som ikke innrømmer at noe har gått galt. Foreldrene prøver politianmeldelse, men politiet viser til Helsetilsynet. Helsetilsynet vil ikke reise sak fordi hensikten med å reise sak er at helsevesenet skal lære av feilen, og siden hendelsen lå fire år tilbake i tid, er det ikke aktuelt. Foreldrene etterlyser hvilken rettssikkerhet gutten deres har. Det er slått fast at gutten har hatt en kraftig tilbakegang i utvikling 3-årsalder. Det var en gråtkvalt far som sa til oss at vi var de første myndighetspersoner som hadde villet se gutten. Det virker som om systemet er til for systemets skyld, og ikke for pasienten. Jeg er derfor glad for at helseministeren nå åpner for å sikre at pasienter og pårørende skal kunne få partsrettigheter og kunne komme med sine innspill. Vi venter i spenning på hvordan dette skal sikres i praksis. Bakgrunnen for dette forslaget er

men i ettertid har det ofte vist seg at det er de pårørende og pasienten som har rett – noe galt har skjedd. Samtidig opplever man at man er i et system når Helsetilsynet endelig blir koblet inn; man er altså ikke part i saken. Man har i utgangspunktet ikke rett til innsyn i sakens dokumenter. Man har i utgangspunktet ikke å be om at fylkeslegens vurderinger blir vurdert av Helsetilsynet nasjonalt. Gjelder dette helsepersonell og autorisasjon, har en f.eks. ikke mulighet til å anke en avgjørelse om at Helsetilsynet mener at de skal beholde autorisasjonen, videre inn for Statens helsepersonellnemnd. Dette oppleves selvfølgelig av pasienter og pårørende som et system som er totalt annerledes enn det de opplever på alle andre samfunnsområder. Derfor mener vi i Høyre at det nå er på tide å endre på dette og følge opp de innspillene som er kommet, både fra pasientombudene, fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og fra mange pårørende. Derfor er jeg veldig glad for at en samlet komité er så tydelig på at dette er et område som regjeringen skal jobbe videre med, og at det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal jobbe fram et forslag på dette området. Når vi, sammen med Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet, likevel velger å fremme et konkret forslag i denne saken, er det for å markere at vi har tatt et standpunkt, at det bør etableres en ordning knyttet opp mot å gi rollen som part i en sak. Men vi er selvfølgelig veldig glad for at en samlet komité står bak det å opprette en arbeidsgruppe. Her har en fått et viktig gjennomslag som jeg tror kommer til å ha stor betydning ved at pasientene vil oppleve at de får en helt annen rettssikkerhet i helsesystemet vårt enn det de har i dag. Jeg tar med dette opp forslaget fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti. Representanten Bent Høie har tatt opp det

Vi er fleire i helse- og omsorgskomiteen som har vore i møte med pårørande som har opplevd å mista sine næraste etter uhell og slurv i samband med innlegging i sjukehus. Det er svært trist at slike ting skjer, og det gjer stort inntrykk å høyra korleis dei pårørande opplever det som har skjedd. For det første er det sjølvsagt ufatteleg og sårt å mista sine nærmaste, og særleg sidan dette i desse tilfella kunne ha vore unngått ved rett behandling og overvaking. For det andre skildrar dei pårørande det neste opplevde sviket, nemleg korleis dei som pårørande opplever at systemet ikkje tek dei på alvor, og at dei må kjempa for å bli høyrde. Eg forstår derfor bakgrunnen for forslaget veldig godt. Sjølv om det store fleirtalet av pasientar i Noreg i dag opplever trygg behandling av høg kvalitet, skjer det altså feil og uheldige hendingar i som fører til dødsfall og varige skader. Arbeidet for å betra pasientsikkerheita er eit stort og viktig helsepolitisk område som skal prioriterast. I dette arbeidet er det viktig at pasientar og pårørande blir tekne på alvor. Det er særleg viktig når det kan ha førekomme feil i behandlinga i helsevesenet. Vi må erkjenna og verdsetja det faktum at pasientar og pårørande i slike saker ofte har vesentleg informasjon å komma med. Derfor er det veldig bra at statsråden har gitt Statens helsetilsyn i oppdrag å oppretta ei utrykkingsgruppe for å styrkja den tilsynsmessige gjennomgangen når det har skjedd alvorlege hendingar i spesialisthelsetenesta. Statsråden varslar i tillegg at dei skal innføra ei prøveordning i to år med varslingsplikt for spesialisthelsetenesta til Statens helsetilsyn når alvorlege hendingar har skjedd. Formålet med ved alvorlege hendingar er å bidra til ei betre og raskare vurdering av dei alvorlege hendingane. Slik kan tilsynsmyndigheita raskt komma i dialog med dei involverte og raskt skaffa seg oversikt over det som har skjedd, og slik sikra ei sikker innhenting av relevante saksopplysningar. Det er òg spesielt positivt at ein samla komité i innstillinga i saka slår fast at det i tillegg bør opprettast ei arbeidsgruppe som gjennomgår praktiseringa av dagens regelverk.

Grundig og nøyaktig tilsyn med det som skjer på sjukehusa og ved andre institusjonar, er ein føresetnad for eit skikkeleg helsevesen. For å sikra betre pasientsikkerheit er det viktig å styrkja Helsetilsynets moglegheit til effektiv kontroll. Statsråden påpeikar dette i eit brev til komiteen datert den 12. mai. Ho viser der til Statens helsetilsyn si målsetjing om gjennom tydeleg, fagleg styring av

vi ikkje kan gjera ofte nok. No har det komme positive forslag i det siste om pasientsikkerheit. Blant anna i dag kan vi lesa om eit forslag som er sendt ut på høyring som gjeld alkokutt for helsepersonell åtte timar før dei skal på vakt. Pasientsikkerheit er eit arbeid som må gjerast på fleire felt over lang tid. Men eg trur at det å halda eit politisk fokus på dette er nødvendig for å sikra framgangen og få til forbetringar. Eg synest det er veldig positivt at Høgre fremmar dette representantforslaget.

pårørende, helsepersonell, sykehuset, politiet og Helsetilsynet. Det berører også befolkingen og deres tillit til sykehusene. Sykehusene har tradisjonelt vært preget av lite åpenhet, bl.a. på grunn av hierarkisk organisering, beskyttelse av hverandre og henvisning til taushetsplikt. De senere år har det vært en rivende medisinsk utvikling. Marginene avansert utstyr og teknikker krever kunnskap, og tempoet i sykehusavdelingene er høyere. Derfor er arbeidet med pasientsikkerhet et av områdene som må prioriteres svært høyt for å sikre tilliten til helsetjenesten som helhet, og til helsepersonell. Jeg har i flere møter hørt pårørende som er frustrert og fortvilet over møtet med helsetjenesten etter at uheldige og alvorlige hendelser har skjedd. De sier at de ikke får noen beklagelser eller innrømmelser, informasjon blir holdt tilbake, de opplever at saken tildekkes og at vesentlige opplysninger utelates i rapporter og journaler, tidsfrister brytes osv. Det må gjøres et arbeid på mange områder for å hindre at pasienter og pårørende møter helsetjenesten på denne måten. Forslaget vi i dag behandler, gjelder ett av områdene som sikrer at pårørende i større grad kan bli hørt og involvert når det skjer feil og uheldige hendelser. Dette vil bidra til en mer åpen helsetjeneste. I bunn og grunn må det skje holdningsendringer i helsetjenesten. Det er menneskelig å feile. Det er en illusjon å tro at man som helsepersonell kan gå gjennom arbeidslivet uten at det skjer. I de fleste tilfeller vil det komme frem at det som kan synes som individuelle feil, kunne vært unngått med bedre systemer. Det må også være åpenhet omkring uheldige hendelser, slik at disse meldes, så det kan gis tilbakemeldinger om hva som kan gjøres for å hindre at det skjer igjen. Sykehusene må bli lærende organisasjoner. Når helsepersonell endrer holdninger til det å gjøre feil, må også terskelen for å beklage overfor pasienter og pårørende bli lavere. Dette etterlyses av svært mange i dag. Til sist: Jeg er også svært tilfreds med at det vil bli nedsatt en arbeidsgruppe, og at hele komiteen står bak dette. I tillegg støtter Kristelig Folkeparti forslaget som vi behandler her i dag. Det er

Helsepersonelloven regulerer primært helsepersonellets rettigheter og plikter, herunder hvilke følger pliktbrudd kan få for helsepersonellet. Det innebærer at pasienter først og fremst har en opplysende rolle i saker mot helsepersonell, ofte ved å være den som bringer saken inn Det er uheldig at pasienter og pårørende har følt seg oversett i noen saker. Men det er ikke nødvendigvis et argument for at det bør etableres en ny klagerett. Helsetilsynets dialog med pasienter og pårørende er svært viktig. Det er grunn til å tro at det kan være mindre behov for en klageadgang dersom Helsetilsynets egne rutiner for opplysning av saken og underretning følges.

Det er viktig å prioritere virkemidler som kan bidra til at tilsynet reagerer så raskt som mulig i de alvorligste sakene, slik at feil kan rettes så fort som mulig. Som kjent har helseministeren tatt initiativ til å opprette en utrykningsgruppe i Statens helsetilsyn og en umiddelbar varslingsplikt for spesialisthelsetjenesten til Statens helsetilsyn når det skjer alvorlige hendelser. Utrykningsgruppen skal bidra til å styrke den tilsynsmessige gjennomgangen ved alvorlige hendelser. Utrykningsgruppen kommer raskt i dialog med dem som er involvert og berørt, og de kan raskt få oversikt over hendelsesforløpet og innhente relevante saksopplysninger. Helseministeren vil i tråd med komiteens merknad også nedsette en arbeidsgruppe som skal se på hvordan regelverket praktiseres i dag. En slik arbeidsgruppe bør også vurdere om det er behov for ytterligere lovbestemt klage- og uttalerett og større muligheter for innsyn i dokumenter. Til slutt: Representanten Gåsvatn etterlyste svar på et ubesvart spørsmål, som har ligget i Helse- og omsorgsdepartementet en tid. Jeg skal selvsagt ta med meg det og få det gjelder den konkrete saken, er det ikke mulig for meg å gi et konkret svar på forholdet til tannlegen, men jeg kan opplyse om at Stortinget i fjor, tror jeg det var, endret lovverket slik at pasientskadeerstatningen også omfatter private tannleger. Men den konkrete saken må jeg få komme tilbake til når jeg har fått sjekket saken med Helse- og omsorgsdepartementet.

sikre at pasientene får partsrettigheter, innsynsrett og klageadgang med hensyn til Helsetilsynets saksbehandling? Som jeg sa i mitt innlegg, har helseministeren varslet at hun vil sette ned en arbeidsgruppe som skal se på hvordan regelverket praktiseres i dag. Helseministeren har også sagt at en slik arbeidsgruppe bør vurdere om det er behov for ytterligere lovbestemt klage- og og større muligheter for innsyn. Når den arbeidsgruppen nedsettes, vil det være naturlig at den jobber med saken, og jeg regner med at helseministeren vil sørge for å orientere Stortinget på egnet måte om de konklusjonene hun trekker etter at den arbeidsgruppen har jobbet. Mitt spørsmål dreier seg om om statsråden kan gi noen antydninger om når denne arbeidsgruppen vil bli nedsatt. Når er

helseministeren har diskutert den type problemstillinger med pasientorganisasjonene. Det regner jeg med at helseministeren også vil gjøre i tiden framover når det gjelder de konkrete problemstillingene som skal drøftes, og som er blitt debattert her i dag. Replikkordskiftet er omme. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 14.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

og at det er viktig med gode ombodsordningar for denne gruppa. Men komiteen er delt i to når det gjeld korleis ein skal oppnå det. På same måten som førre gong liknande forslag vart behandla, i 2006, er det eit mindretal og eit fleirtal i innstillinga. Framstegspartiet og Kristeleg Folkeparti utgjer mindretalet, som vil opprette eit eige ombod. Dei andre partia i komiteen utgjer fleirtalet. Fleirtalet meiner at dette best blir ivareteke gjennom eksisterande ombodsordningar, kombinert med eit sterkare fokus på sanksjonsmoglegheitene fylkesmannen og tilsynet har overfor dei kommunane – og det er heldigvis ikkje hovudregelen – som ikkje følgjer opp lovverket og intensjonen i lovverket. Dei andre partia vil heilt sikkert leggje fram og utdjupe sine syn i saka. I Arbeidarpartiet, og i regjeringspartia, meiner vi at det universelle prinsippet i denne saka – på same måten som i utforminga av samfunnet elles – skal vere det overordna i tilbodet til menneske med utviklingshemming. Det er dei universelle og gode ordningane som bør gjelde, uavhengig av kven vi er. Vi vil heller ha det enn særordningar. Det er eit viktig prinsipp for oss som vi slår ring om. Pasient- og brukarombodet er no etablert i alle fylke. Ordninga er utvida til også å omhandle dei kommunale helse- og omsorgstenestene, og ombodet skal ha ei særleg merksemd retta mot dei som ikkje er i stand til å Dei utviklingshemma sin eigen organisasjon har heile tida vore tydeleg på at dei ikkje ønskjer eit særskilt ombod. Riktignok kom det under høyringa om denne saka fram at dei har ei noko anna haldning, men slik vi har forstått det, er ein først og fremst, og som det aller viktigaste, oppteken av at ein set i verk dei sanksjonsmoglegheitene ein har overfor dei kommunane som ikkje følgjer pålegg, og at desse sanksjonsmoglegheitene blir Det meiner vi at det absolutt er verdt å sjå nærare på, og derfor trur vi, med den innstillinga vi har, at vi er nær opp til det dei utviklingshemma sin organisasjon har vore oppteken av, og at det vil vere den rette vegen å gå. I dag kan fylkesmannen gripe inn og reagere overfor kommunar som ikkje følgjer lovverket eller det som er intensjonen i lovverket. Men i dei tilfella, som då heldigvis ikkje er hovudregelen, der vi har kommunar som ikkje følgjer opp, meiner vi det er viktig at departementet ser på korleis ein betre kan følgje opp, ved f.eks. å styrkje sanksjonsmoglegheitene ytterlegare, slik at lovverket blir følgt. Skal ombodsordninga fungere slik vi ønskjer, må også verkemidla til tilsynsorgana fungere godt. Så til spørsmålet om kven det er som skal ha sanksjonsmoglegheiter. Vi er ueinige i at ombodet bør ha sanksjonsmoglegheiter, slik det blir foreslått frå forslagsstillarane. Ombodet skal både ta opp generelle problemstillingar innafor sitt område, og det skal kunne hjelpe enkeltmenneske. Det kan vera gjennom råd og rettleiing, det kan vere gjennom informasjon om rettar, og det kan vere på andre måtar. I det heile skal ombodet vareta brukarane sine behov og interesser. Og ombodet kan hjelpe til med spørsmål eller klage til rette instans. Den jobben er viktig at ombodet gjer. Men nettopp derfor er det etter vår meining i strid med det som er hensikta med ombodsordninga, å tilleggje desse sanksjonsmoglegheiter. Vi bør vere ryddige på dette, og det er naturleg at det er fylkesmannen eller tilsynet som også set i verk eventuelle sanksjonar. Vi er opptekne av å sikre at menneske med utviklingshemming får ivareteke sine behov og får eit tilbod som er i samsvar med lovverket og intensjonane med lovverket. Det har vi vist tydeleg ved at vi ber departementet om å vurdere om sanksjonsmoglegheitene bør styrkjast. Vi kan ikkje akseptere at nokon ikkje følgjer opp, og der det ikkje fungerer godt nok, må vi ha verkemiddel for å følgje det opp. Når det gjeld den andre delen av forslaget, om å vurdere soningsforholda til menneske med utviklingshemming i fengsel, viser eg til det arbeidet som regjeringa har sett i gang, og som statsråden har omtalt i sitt svarbrev til komiteen. Etter fleirtalet sitt syn varetek det intensjonen i forslaget. Innstillinga frå fleirtalet i komiteen er derfor at det første forslaget, om ei eiga ombodsordning, ikkje blir vedteke, mens det andre forslaget, om soningsforholda i fengsel, blir lagt ved protokollen.
Neste taler er Ingjerd Schou. Representanten

siste eksemplet var i min kommune for mindre enn en måned siden. Omsorgsboliger som i årevis var lovet til voksne utviklingshemmede som fortsatt bodde hjemme hos sine foreldre, sto endelig ferdig, og de sto klare med flyttelasset da kommunen utsatte innflytting grunnet mangel på finansiering av driften. I Romerikes blad den 27. mai spør en av dem som skulle flytte inn om følgende: «Er jeg ikke verdt noe jeg, da, mamma?» FO, sier i sitt høringsnotat at de i mange år har vært bekymret for livskvaliteten og rettssikkerheten til mennesker med utviklingshemning. FO sier at de har sett at mange kommuner i liten grad har et faglig godt tilbud – hvor lav kompetanse er mer regelen enn unntaket. Norsk Forbund for Utviklingshemmede sier i sitt høringsnotat følgende: «Det har i lang tid vært veldokumentert at mange mennesker med utviklingshemning har en for dårlig livssituasjon, de mottar for lite tjenester og kvaliteten på tjenestene er for svak.» Rettssikkerheten er fraværende, og det er vanskelig å finne tegn til en positiv utvikling på feltet. Det er flere år siden jeg konstaterte at systemet ikke virket, og at disse hadde behov for et eget ombud som kjenner deres rettigheter, som vet hvor i systemet man skal gå, og ikke minst – som har sanksjonsmuligheter. Etter mitt syn er dét et av hovedproblemene med dagens ordning, ikke bare for utviklingshemmede, men for alle dem som sliter med å nå fram i systemet. De får medhold, men instansen som gir dette, har ikke sanksjonsmuligheter, og medholdet blir derfor i mange tilfeller null verdt. I Dagbladet den 17. mars kunne vi lese om kommunetoppene som visste at arbeidslederen hadde gjort utviklingshemmede Nina gravid. Kommunen lot være å anmelde overgriperen, og fem år senere ble hun misbrukt igjen, av samme mann. Denne saken føyer seg inn i rekken av saker. Jeg mener dette viser at vi har behov for, én gang for alle, å sørge for at de utviklingshemmedes rettigheter og sikkerhet blir ivaretatt. Statsråden viser i sitt brev av 12. mai til at både fylkesmannen og Helsetilsynet har sanksjonsmuligheter i Erfaringene og tilbakemeldingene viser at disse ordningene ikke fungerer, noe komiteens flertall for så vidt også viser til, idet de i en merknad ber departementet vurdere om sanksjonsmulighetene skal styrkes. For en tid tilbake hadde Trine Skei Grande et veldig bra innlegg i denne salen, hvor hun pekte på at vi som stortingsrepresentanter skulle være ombud for folket. Jeg forsøker dette hver eneste dag, men antall henvendelser er overveldende, og det er rett og slett umulig å hjelpe hver eneste som tar kontakt. Fremskrittspartiet vil nå én gang for alle få på plass et eget ombud, og at ombudet skal ha myndighet til å kreve at urett blir rettet opp og kan følge saken helt inn til mål, noe Kristelig Folkeparti også støtter. Fremskrittspartiet har notert seg statsrådens vage formuleringer med hensyn til utviklingshemmede som soner dommer i norske fengsler, og at komiteens flertall slår seg til ro med dette. Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti mener det er behov for konkrete tiltak og fremmer derfor forslag om dette. Jeg tar herved opp forslagene nr. 1 og 2, som står i innstillinga. Representanten Kari Kjønaas Kjos har tatt opp de forslagene hun refererte til.

denne gruppen først og fremst har behov for, er ombud som kan være med og løse de konkrete sakene en møter i hverdagen opp mot et komplisert offentlig velferdssystem. Da er det etter vår oppfatning pasientombudsmodellen som er den modellen som passer best, og at en utvidet pasient- og velferdsombudsmodell er det som vil kunne løse utfordringene. Det å dele opp på det nivået og ha ulike ombudsordninger for ulike grupper, tror vi bare vil gjøre det enda mer komplisert, for ofte vil en ha hjelp både f.eks. opp mot helsetilbud, opp mot kommunal sektor, sosialtilbud og velferdsforvaltningen. Og da vil det være uhensiktsmessig å bygge opp parallelle ombudsordninger med den type kompetanse som i seg selv skaper et enda mer komplisert offentlig velferdssystem. Derfor baserer Høyre seg i denne saken på en modell der vi mener at vi skal bygge ut pasient- og velferdsombudsordningen, samtidig som en mener at en må styrke fylkesmannens mulighet til å gripe inn i de sakene der en mener at en lokalt ikke har fulgt opp det nasjonale lovverket på dette området. Å gi ombudet en sanksjonsmulighet når en baserer seg på pasientombudsmodellen, vil være en ny konstruksjon, som ikke passer inn i den ordningen, og som også vil ødelegge den gode muligheten som denne ombudsordningen har i dag til i realiteten å

men at deres interesser best ivaretas gjennom eksisterende pasient- og brukerombud. Jeg legger vekt på at statsråden bekrefter i brev til komiteen at den nye ordningen med pasient- og brukerombud skal evalueres, og at det i evalueringen blir et særlig fokus på hvordan ordningen ivaretar personer der det er risiko for at den enkelte ikke er i stand til å gi uttrykk for egne tjenestebehov. Videre blir departementet bedt om å vurdere om sanksjonsmulighetene til fylkesmannen og blir departementet bedt om å vurdere om sanksjonsmulighetene til fylkesmannen og Helsetilsynet skal styrkes ved brudd på lovgivning og manglende kommunal oppfølging av pålegg – altså en reell styrking av det eksisterende pasient- og brukerombudet. I vår og i vinter har det vært en rekke oppslag i media om seksuelle overgrep, med mistanke rettet mot offentlige ledere og støttekontakter, hvor det hevdes at sakene ikke er blitt fulgt godt nok opp, verken i politiet eller av offentlig myndighet. Denne problemstillingen omtales også i dagens Dagbladet, en bred omtale, hvor en av forskerne ved Nordlandsforskning sammen med en studieleder ved Politihøgskolen i om arbeidsmiljøet og rettssikkerheten for psykisk utviklingshemmede i vernede bedrifter. Vedkommende konkluderer med at det er behov for en bred gjennomgang av utviklingshemmedes rettssikkerhet. Påstanden er at de ikke blir godt nok ivaretatt i rettsapparatet, sakene blir ikke prioritert, det mangler kompetanse og i overgrepssaker er det svært vanskelig å få en fellende dom. Jeg er fullt ut oppmerksom på at dette primært er primært er en sak for Justisdepartementet og justisministeren. Men jeg vil understreke at etter de oppslagene vi har kunnet lese i vår – etter en gjennomgang av åtte saker der politiet har etterforsket anmeldelser av overgrepssaker, er fem henlagt og to gjenopptatt – så mener jeg at det er en svært god grunn til å foreta en bred gjennomgang av rettssikkerheten til de

Menneske med utviklingshemming har krav på å få eit verdig og godt tilbod. Det skal ikkje vera slik at det berre er dei med ressurssterke pårørande som har høve til å klaga på forholda for slik å sikra tilbodet. Ein reknar med at det heile tida er 300 innsette i norske fengsel med utviklingshemming som ikkje er diagnostisert. Mange blir ikkje fanga opp av hjelpeapparatet og gitt det tilbodet som er nødvendig for å få eit verdig liv. Senterpartiet deler dei bekymringane som her kjem fram. Forslaget om å etablera eit eige ombod for menneske med utviklingshemming er fremja tidlegare. I staden for å gjera dette blei pasientombodsordninga utvida til òg å gjelda brukarar av dei kommunale helse- og omsorgstenestene. registrerer at Norsk Forbund for Utviklingshemmede, NFU, på høyringa klargjorde at dei tidlegare har vore mot eit eige ombod for funksjonshemma, fordi ombod knytt til diagnosegrupper kan stimulera til utvikling av særlovgiving. Erfaringane etter at forslaget om eige ombod blei fremja førre gong, er etter deira erfaring ikkje spesielt positive. Dei meiner at tilsynsorganet er svakt: Tilsyn blir retta mot relativt få forhold. Det er sjeldan at kvaliteten på tenestetilbodet er underlagd tilsyn. Hovudfokus synest å vera prosedyre og skriftleg saksbehandling. Kommunane og spesialisthelsetenestene treng ikkje følgje pålegg. Tilsyn med dei same lovbestemmingane viser ikkje at forholda blir betre over tid. NFU konkluderer med at ombodsordninga verkar, men at den verkar altfor lite. Dei meiner òg at ombodsordninga verkar berre for Dei meiner òg at ombodsordninga verkar berre for dei som sjølve, eller via sine pårørande, tek kontakt. NFU ynskjer, på grunn av at situasjonen er som i dag, eit eige ombod med effektive sanksjonsmoglegheiter for å sikra at menneske med utviklingshemming også får lovfesta rettar. Også Fellesorganisasjonen er bekymra for livskvaliteten og rettstryggleiken til menneske med utviklingshemming. Dei viser til tal frå Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming om at det i opptil 80 pst. av tilfella blir gitt dispensasjon frå lovkravet om nødvendig kompetansenivå hos dei tenesteytarane som arbeider direkte med brukarane. Også FO anbefaler at det blir oppretta ei eiga ombodsordning for menneske med utviklingshemming, men ikkje med også ein gjennomgang av situasjonen for menneske med utviklingshemming som sonar fengselsdommar. Senterpartiet meiner at vi skal ta på alvor når representantar frå brukargruppa er så tydelege på at ordninga med pasient- og brukarombod, som relativt nyleg er oppretta, ikkje fungerer godt nok. Spørsmålet er om svaret på dette er å oppretta eit eige ombod for funksjonshemma, og om dette då skal få rett til å gi sanksjonar. Senterpartiet meiner svaret ikkje er dette, for merk at eit eige ombod for utviklingshemma er ei ordning som brukarorganisasjonane prinsipielt er imot, men som ein vil ta i bruk fordi den eksisterande ikkje fungerer godt nok for denne Senterpartiet meiner at vi no først må evaluera den eksisterande ordninga med pasient- og brukarombod, slik Stortinget vedtok då ho blei innført. Evalueringa må ha særskild fokus på korleis ombodsordninga varetek personar der det er risiko for at den enkelte ikkje er fullt ut i stand til å gi uttrykk for eigne tenestebehov. Senterpartiet meiner at sanksjonsmoglegheitene framleis må liggja hos fylkesmannen og/eller Helsetilsynet. I saka viser komiteen òg til I saka viser komiteen òg til statsråden si utgreiing om det arbeidet som er sett i gang i Justisdepartementet for å leggja soningstilbodet for utviklingshemma betre til rette. Det vil etter vårt syn vareta intensjonen i representantforslaget,

Utviklingshemmede er en gruppe som i liten grad kan fremme sine behov og sin sak i samfunnet, sammenliknet med øvrig befolkning. Det er særlig grunn til å sette spørsmålstegn ved om rettssikkerheten ivaretas. Et annet forhold som man også kanskje kan påpeke, er den lave prosenten høgskoleutdannede som jobber med utviklingshemmede, kun 20 pst. – med andre ord: svært

Når evalueringen av de nye pasient- og brukerombudene foreligger, er det viktig, som flere har vært inne på, å få vurderingen av i hvilken grad de jobber med saker for utviklingshemmede. Men i stedet for å vente på denne evalueringen er det bedre, slik jeg ser det, å starte i andre enden, nemlig å opprette et eget ombud for utviklingshemmede. Skulle det vise seg at pasient- og brukerombudsordningen er så god at den ivaretar utviklingshemmedes ombudsbehov, får heller disse ombudene slås sammen. Situasjonen er i hvert fall i dag alarmerende. Til tross for at fylkesmannen fører tilsyn med tjenester til utviklingshemmede, er erfaringene som NFU fremla på høring i komiteen, at tilsynet rettes mot relativt få forhold, som også flere har vært inne på. De mener det er sjelden at kvaliteten på tjenestene blir undersøkt tilstrekkelig. Pålegg følges ikke alltid opp, og det er lite forbedring i tjenestene, selv etter flere år. Når uverdige og kritikkverdige forhold oppdages, må det være noen som har makt og myndighet til å få dette omgjort straks. Rettssikkerheten må med andre ord styrkes.

at det har pågått et arbeid bl.a. med å sikre mindre enheter for utviklingshemmede i fengsel. Det kan være riktig at dette er justisministerens ansvarsområde. På den annen side må det være et mål å hindre at utviklingshemmede begår straffbare handlinger. Jeg vil tro at mye av forebyggingsarbeidet nettopp hører til under helse- og omsorgsministeren. I en bred gjennomgang av situasjonen for mennesker med utviklingshemning som soner

Nå går ikke klokka mi, president. Det er veldig hyggelig hvis den ikke går, for jeg har mye å si! Det jeg har lyst til å ta opp, er et litt mer prinsipielt aspekt ved det som diskuteres i dag, og det er sjølve ombudsrollen. Vi har i dag en velferdsstat som egentlig er et godt sikkerhetsnett, der det i denne sal vedtas gode lover som skal fange opp alle.

noen har ikke ressurser til å finne fram i systemet, noen har ikke noen til å presse på for seg. Hvem sin jobb er det da å gjøre det? Jo, da er det min jobb. Disse bor i mitt valgdistrikt, det er meg de kan stemme på, og da er det min jobb som politiker å lage systemer som gjør at det ikke skjer igjen. Da må jeg se på hvordan vårt sosialsystem er. Når vi har en lang liste som legges fram over manglende tilsyn med våre institusjoner, må vi gjøre noe med tilsynet. Ansvaret er vårt. Det er vårt ansvar å gjøre noe med at de tilsynene som vi kritiserer, ikke fins. Og når det blir hull i systemene, er det vår jobb å gjøre noe med det. Det jeg er veldig redd, er at vi politikere, og egentlig også interesseorganisasjonene, av bekvemmelighetshensyn bekvemmelighetshensyn bare får noen til å gjøre den ubehagelige jobben. Den ubehagelige jobben er å sette seg ned og høre historiene, det er å lese alle e-postene, det er å ta opp saker her, det er å løfte problemstillinger, det er alt fra interpellasjoner til forslag om hvordan systemene skal bli bedre. Vi har noen ombud. Barneombudet er jeg prinsipielt veldig for fordi barn ikke har stemmerett.

Det er noe som politiske partier driver valgkamp på. Mitt søsterparti i Sverige driver valgkamp på likestillingspolitikk. I Norge har vi et ombud som skal fikse det. Denne invasjonen av ombud tar bort politikerrollen. Det gjør politiske saker upolitiske, og det svekker den rollen vi har. Jeg tror også at det over tid øker politikerforakten fordi vi blir sett på som overordnede som bare seiler over, mens heltene som rydder opp, er ombudene. Det er vår plikt å være ombud for dem som har stemt på oss. Det er vår plikt å høre de ubehagelige historiene, lese de ubehagelige mailene og ta tak i det. Det er sånn vi er med på å skape et bedre samfunn. Hvis vi outsourcer ombudsrollen vår, forsvinner mye av poenget med at vi er her. Da kan vi heller være et praktisk forretningsministerium som bare følger ombudets rolle. Jeg vil nok tilbake til at politikerne skal være heltene, de som ordner opp. Når folk stanger hodet i systemet, når folk møter urettferdighet, er det vår jobb å ordne opp. Når jeg går hjem i dag, er det min jobb å snakke med dem som ligger under brua nede ved Bjørvika, og spørre om hva som skal til for at livet deres skal bli bedre. Hvis vi outsourcer det fra denne sal,

Reformen la til grunn at særomsorgen og institusjonene skulle avvikles. Mennesker med utviklingshemning skal få den tilrettelegging og hjelp de trenger, i det ordinære forvaltnings- og tjenesteapparatet. Ut fra det samme resonnementet vil en egen ombudsordning for mennesker med utviklingshemning være feil. Vi må heller se på hvordan de ordningene vi har, kan fungere best mulig for Pasientombudet for brukere av spesialisthelsetjenesten er fra september 2009 utvidet til å omfatte helse- og omsorgstjenester i kommunene. Det betyr at alle brukere av kommunenes helse- og omsorgstjenester kan få gratis bistand fra ombudet. Ombudet har også muligheten til å foreslå konkrete tiltak om forbedringer og underrette tilsynsmyndighetene om Fordi ombudet nå arbeider med saker fra hele helse- og omsorgstjenesten, har det skiftet navn til Pasient- og brukerombudet. Ordningen skal, som flere har vært inne på, evalueres etter tre år. Regjeringen vil legge særlig vekt på hvordan ordningen fungerer for mennesker som ikke er i stand til å gi uttrykk for sine egne tjenestebehov. Komiteens flertall ber også departementet vurdere om sanksjonsmulighetene bør styrkes. Brukerorganisasjonene sier at dagens klage- og tilsynsordninger ikke alltid fungerer godt nok. Som tilsynsmyndighet etter sosialtjenesteloven har fylkesmannen sanksjonsmuligheter i form av å kunne gi pålegg. Ifølge rapporter til Statens helsetilsyn brukes denne sanksjonsmyndigheten svært sjelden. Det kan ha sammenheng med at fylkesmennene rapporterer at kommunene følger opp når det blir påpekt svikt ved tilsyn. Som klageinstans har fylkesmannen bl.a. mulighet til å oppheve eller omgjøre kommunens vedtak. Statens helsetilsyn reviderte veilederen i behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven i 2009. I saker hvor klageren ikke får oppfylt vedtak om tjenester, anbefales fylkesmannen å innhente en redegjørelse fra kommunen, eventuelt opprette hendelsesbasert tilsynssak for å se om kommunen har gjort det den kan for å gi tjenestemottakeren forsvarlig hjelp.

Forslagsstillerne er også opptatt av utviklingshemmedes rettssikkerhet i kriminalomsorgen. Dette faller, som flere har vært inne på, innenfor justisministerens ansvarsområde. Justisdepartementet peker på at behov knyttet til psykisk utviklingshemning må identifiseres så tidlig som mulig i prosessen. Det innebærer at man ikke kan begrense innsatsen til den tiden personen er under kriminalomsorgens ansvar. Jeg vil for øvrig vise til Justisdepartementets oppfølging gjennom utredning og prosjekter som det er orientert om i brevet fra helseministeren til komiteen. Vi kan ikke la den politikken som ble trukket opp i forbindelse med ansvarsreformen, gå i glemmeboka. Derfor er det prisverdig at barne- og likestillingsministeren har tatt initiativ til et tverrdepartementalt informasjons- og utviklingsprogram for politikken for utviklingshemmede, slik det er beskrevet i Barne- og likestillingsdepartementets budsjettproposisjon. Det blir replikkordskifte.

Navarsete svarte: «Kommunene har plikt til å yte tjenester overfor sine innbyggere når innbyggerne har rettigheter i henhold til for eksempel kommunehelsetjenesteloven eller sosialtjenesteloven, uavhengig av hvordan tjenestene er finansiert. Slik sett skal alle som har krav på omsorgstjenester være Problemet er at det er den type svar vi får. Uansett hvor vi henvender oss, vises det til at man har noen rettigheter, men rettighetene blir allikevel ikke fulgt. I hvor mange år skal vi måtte svare på slike henvendelser, før vi får til en ordning med

fylkesmannen. Det er fylkesmannen som er rette vedkommende når det gjelder å se til at kommunene gir de tilbudene de skal. Jeg er ikke sikker på om en ombudsordning ville bedret på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

elevene løs, og at mangelfull oppfølging hver dag bidrar til å skape skoletapere. Tvangsmulkt eller dagbøter er mulige sanksjoner når pålegg fra fylkesmannen år etter år ikke følges opp. Det er «grunn til å tro at enkelte kommuner spekulerer i å bryte loven», sier assisterende generalssekretær Jarl Ovesen til Kommunal Rapport den 3. februar 2010.

men disse følges ikke opp. Mange av lovbruddene skjer fordi kommuner og fylker må spare penger, og ofrer de svakeste i vårt samfunn for å få det til. Et eksempel på dette er at mange oppretter altfor store undervisningsgrupper, slik at elevene ikke får mulighet til å få spesialundervisning etter egne evner og forutsetninger, slik opplæringsloven sier. Når fylkesmannen år etter år avdekker de samme lovbrudd år etter år avdekker de samme lovbrudd uten at kommuner og fylkeskommuner får noen form for straff, kan det virke som om det stilltiende godtas lovbrudd overfor utviklingshemmede. Bladet «Samfunn for alle» viser i en artikkel om ulovlige opplæringstilbud i videregående skole til at mange foreldre finner det for komplisert å klage. Fremskrittspartiet mener helt klart at det er behov for et eget ombud for ombud som kan ivareta et helhetlig tilbud når det gjelder utviklingshemmedes rettigheter – og få slutt på de lovbrudd som år etter år blir avdekket, og som også skjer innenfor skoleverket – på lik linje med flere andre tjenesteområder. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 15. Ingen har bedt om ordet.

Takk, president,

når det
via

president.
president, det er det

dessverre ut til

Olsen

og Senterpartiet. Forslaget lyder: «Dokument 8:89 S – representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen og Arne Sortevik om en utvidet og bindende nasjonal investeringsplan for stamveinettet – bifalles ikke.» Under debatten er det satt fram fem forslag. Det er forslagene nr. 1 og 2, fra Arne Sortevik på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre forslag nr. 3, fra Arne Sortevik på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti forslagene nr. 4 og

for innstillingen. Dermed er innstillingen bifalt med 80 stemmer, og forslaget fikk 24 stemmer. Under debatten er det satt fram 26 forslag. fram 26 forslag. Det er forslagene nr. 1–8, fra Torgeir Trældal på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre forslagene nr. 9–14, fra Torgeir Trældal på vegne av Fremskrittspartiet forslagene nr. 15 og 16, fra Svein Flåtten på vegne av Høyre forslagene nr. 17–22, fra Rigmor Andersen Eide på vegne av Kristelig Folkeparti forslagene nr. 23–26, fra Borghild Tenden på vegne av Venstre

forslagene. Vi skal så votere over innstillingens forslag til vedtak. Før vi gjør det, vil presidenten gjøre oppmerksom på at det må gjøres en korreksjon under I. Under inntekter kap. 4150 post 70 skal beløpet være 3 525 000 kr og ikke 3 525 kr, som det står i innstillingen.